i tiden fra og med 10. mai til og med 13. mai for å delta i møter i NATOs parlamentariske forsamling i Washington og Chicago fra Senterpartiets stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Anne Tingelstad Wøien fra og med 10. mai og inntil videre fra representanten Arild Grande om omsorgspermisjon i tiden fra og med 10. mai til og med 23. mai fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Mazyar Keshvari mai og inntil videre Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt. Fra første vararepresentant for Sogn og Fjordane fylke, Jenny Følling, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget i dagene 12. og 13. mai under representanten Liv Signe Navarsetes permisjon, av velferdsgrunner. Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet: Søknaden behandles straks og innvilges. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden: For Oppland fylke: Ivar OdnesFor Oslo: Peter N. MyhreFor Sogn og Fjordane fylke: Jenny Følling og Sigurd ReksnesFor Nord-Trøndelag fylke: Jorid Holstad Nordmelan Ivar Odnes, Peter N. Myhre, Jenny Følling og Jorid Holstad Nordmelan er til stede og vil ta sete. Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at dagens møte fortsetter utover kl. 16. Etter ønske fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen vil presidenten foreslå at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

I dag samles Stortinget om et historisk vedtak: Endringer i kirkeloven – omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m. Som saksordfører vil jeg takke komiteen for et veldig godt samarbeid i denne saken. Den kristne tro, tradisjon og kultur har sterke røtter i vårt samfunn. Kirkens betydning i samfunnet handler ikke bare om hver enkelts tro, medlemskap og deltakelse i kirkelige aktiviteter, det handler også om en gjensidig påvirkning mellom kirke og stat gjennom nesten tusen år, og om alle de verdier som er utviklet i denne symbiosen og til tider også i spenningsfeltet mellom livssyn og politikk. Kirkens grunnleggende betydning som samfunnsinstitusjon gjenspeiles i den grundige prosessen som førte fram til stat–kirke-forliket. Den brede enigheten bak grunnlovsendringene sier mye om anså det å legge et godt fundament for en mer fristilt framtidig folkekirke. Som saksordfører er jeg derfor svært glad for at innstillingen som vi nå legger fram, er en samlende innstilling, der komiteens medlemmer støtter hovedtrekkene i regjeringas forslag. Det er en styrke når vi tar en historisk beslutning som for alltid vil endre forholdet mellom Den Dette er et reformforslag som er godt forberedt, og det må sies å være en naturlig oppfølging av det tverrpolitiske stat–kirke-forliket. Med dette blir det tatt et stort skritt videre for å skille Kirken og staten, og for å gjøre Kirken til herre i eget hus. Men det er som vår kulturminister sa på Kirkemøtet: «Kirken skilles fra staten, Det har vært en bred politisk enighet om at Den norske kirke skal videreføres som en folkekirke. I arbeidet vårt har komiteens medlemmer lagt stor vekt på å arbeide seg sammen om hovedtrekkene i innstillingen. Jeg ser det som et klart ønske om å bidra til at Den norske kirke også i framtida skal ha et solid fundament og en forankring for nettopp å bli den folkekirken vi har sagt at vi ønsker. Lovforslagene som behandles i dag, har vært på brede høringer og fått god tilslutning også fra Kirkens egne organisasjoner. 1 600 ansatte blir berørt av reformen og vil få en ny ansettelsestilhørighet. I lovforslaget stadfestes det noen trekk i Kirkens organisering. Kirkemøtet og Kirkerådet får tydeligere roller og ansvar. Det skal være prestetjeneste i hvert sogn, prost i hvert prosti og biskop i uavhengige stilling lovfestes, og biskopenes mulighet til å utøve sin rolle som et særskilt organ, sikres i et rettslig grunnlag. Lovforslaget presiserer at Den norske kirke skal finansieres på dagens nivå, og at den økonomiske ansvarsdelingen mellom stat og kommune ikke endres med dette. Komiteen foreslår noen endringer fra regjeringas forslag. Den viktigste er knyttet til spørsmålet om begrensning av Kirkens mulighet for generell låneadgang. En samlet komité ønsker ikke å lovfeste en slik begrensning på nåværende tidspunkt, men mener dette må ses i sammenheng med egenkapitalspørsmålet og finansieringen for øvrig. Dette er varslet å komme i forbindelse med budsjettbehandlingen til høsten. Videre har komiteen ønsket en presisering i bruken av uttrykket «rettssubjektet Den norske kirke» for å tydeliggjøre forskjellen på når man omtaler det nasjonale rettssubjektet, og når man omtaler Kirken på lokalt nivå. Det er også i innstillingen foreslått et nytt femte ledd i § 5, som adresserer hvordan endringer i kommunegrenser og forholdet til inndelingsloven håndteres. Ellers inneholder innstillingen to mindretallsforslag. Det ene er fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet knyttet til valg og demokrati. Det andre er fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet knyttet til Det praktisk-teologiske seminar. Jeg regner med at representanter fra disse partiene vil gjøre rede for disse. Jeg er veldig glad for det gode klimaet vi har hatt i komiteen rundt arbeidet. Samarbeidet har vært godt på tvers av alle partigrenser. Det har tjent saken, og det vil også tjene forholdet mellom Kirken og staten ved

men også komiteen, for konstruktiv og lydhør tilnærming i saken. Innstillingen og forslagene som nå legges fram for Stortinget, vil gi dem som skal forholde seg til loven, et godt grunnlag for lovforståelsen når loven trer i kraft. En enstemmig komité foreslår å utsette spørsmålet om låneadgang og finansiering til statsbudsjettet for 2017. Dette er en sak mange er spent på. Arbeiderpartiet er opptatt av at Kirken skal ha gode, forutsigbare økonomiske rammevilkår. For oss er det viktig at Kirken fortsatt skal kunne utøve sine daglige gjøremål på en god måte, at alle ansatte har gode arbeidsvilkår, at man oppfyller loven ved å ha prestetjenester over hele landet, og at Kirken kan utføre og videreutvikle sitt samfunnsoppdrag. Et framtidig rammetilskudd må også ta høyde for generell lønns- og prisvekst. På slutten av i landet. I 1537 fastsatte kongen av Danmark–Norge den evangelisk-lutherske tro som offisiell religion, og vi fikk vår første kirkelov. Middelalderens kirkelige rettssystem ble da erstattet av nye bestemmelser om stillinger og handlinger i Kirken, og kong Christian III la grunnlaget for vårt statskirkesystem. Kirkens posisjon ble stadfestet i Grunnloven av 1814, ble viktig for utviklingen av demokratiske idealer, og det ble satt i gang en kirkelig reformprosess. I 1873 ble det innført en viss grad av selvstyre for sognene, og det igjen satte i gang en bevegelse for økt medbestemmelse innen de formelle strukturer i Kirken. Uoffisielle landsmøter ble avholdt annethvert år helt fram til 1982. I 1984 ble Kirkemøtet med sine 116 representanter vedtatt ved lov. Dette viser en langvarig og strevsom prosess for å oppnå den åpenhet og demokrati som Kirken har i dag. Kirkevalget i 2015 var en milepæl i demokratiutviklingen. Nå er det viktig at demokratiet styrkes og videreutvikles. I så måte synes jeg det er synd at forslaget som vi sammen med Senterpartiet fremmer til § 23 i dag, sannsynligvis ikke får flertall. Etter kirkeforliket i 2008 er det gjennomført en rekke reformer, og relasjonen mellom staten og Kirken har blitt en grunnleggende annen. For Arbeiderpartiet var og er det viktig at den videre utviklingen av kirkeordningene og styrkingen av Kirkens selvstendighet skjer skrittvis og med en bred kirkelig og politisk tilknytning, slik vi gjør i dag. Vi finner det noe merkelig at regjeringen og flertallet i komiteen er så utålmodige etter å komme i gang med en ny reformfase. En kan få inntrykk av at det vi nå vedtar, kun er av midlertidig karakter. Det er en stor og omfattende virksomhetsoverdragelse for ca. 1 600 ansatte som nå skal settes i gang, og det er viktig at Kirken får tid nok til en god omstilling. Hva som kommer i neste omgang – om det f.eks. skal være en kort eller lang rammelov som skal erstatte det vi i dag vedtar – får vi komme tilbake igjen til. Jeg har merket meg at ikke alle politikere er glad for Kirkens samfunnsengasjement. Rett før jul var statsråd Listhaug ute i media og mente at Kirken ikke skulle blande seg inn i politiske spørsmål. Arbeiderpartiet er uenig med statsråden. Vi setter pris på at Kirken sier fra når det er saker på den politiske dagsordenen som de mener griper inn i det kristne budskapet, selv om vi ikke alltid er enig med dem. De bør ikke tie i forsamlingen, for å si det på den måten. Kirken er en del av vårt demokrati og har et samfunnsoppdrag, og det kan bli større. Kirken kan f.eks. være en viktig bidragsyter i arbeidet med å skape religionsdialog og møteplasser for økt noe som vil være viktig i arbeidet mot radikalisering. Dette er en viktig dag i norsk historie, en viktig dag for alle som er opptatt av Kirken, men den er også – jeg understreker også – viktig for at Kirken ikke skal skilles fra folket, men fra staten. Mitt ønske er at hele Kirken kommer enda nærmere hele folket. Jeg tar med dette opp de forslag Arbeiderpartiet er med på i innstillingen, og presiserer at vi sammen med Kristelig Folkeparti og Senterpartiet vil stemme imot § 23 fjerde ledd. Representanten Tone Merete Sønsterud har tatt opp de forslag hun refererte til.
det er mye forstand og visdom, er det også mye misnøye», sa Martin Luther. Det gjelder heldigvis ikke i den saken som vi behandler nå. Her kan jeg takke alle partiene for godt samarbeid. En spesiell takk til saksordføreren for god jobb, som har medført at det er stor enighet om de viktigste endringene som er foreslått. I tillegg er det politisk enighet om å utsette behandlingen av Kirkens adgang til å ta opp lån. For Fremskrittspartiet er det også viktig at en sak om kirkelig forvaltningsreform har vært på bred høring, og at Kirkemøtet i 2015 i stor grad sluttet seg til innholdet i proposisjonen. Når denne saken blir vedtatt, innfris enda en viktig del av kirkeforliket, som innebærer et skille mellom stat og kirke. Arbeidet med å gi Kirken frihet til å bli herre i eget hus har pågått over mange år. Stortinget har tidligere vedtatt endringer i Grunnloven for å gi Kirken rett til selv å utnevne biskoper, og har vedtatt ny valgordning for å sikre kirkemedlemmene større mulighet til å påvirke hvem som blir innvalgt i sokneråd og bispedømmeråd. I tillegg har også gravferdsloven blitt endret for å ivareta skillet. Dette er en historisk dag i kirkelig sammenheng som Fremskrittspartiet har sett fram til. I dag vedtar vi å gjøre Den norske kirke til eget Det innebærer at Den norske kirke får en rettslig selvstendig handleevne, slik de enkelte soknene har i dag. Og det dannes et nytt rettssubjekt, Den norske på 1500-tallet vært statstjenestemenn. Det må sies å være historisk at vi i dag vedtar å overføre arbeidsgiveransvaret for prestene og andre som i dag er statlig ansatte, og som tilhører Kirken, til Kirken. De ulike soknene skal fortsatt være den grunnleggende enheten i Den norske kirke og skal ha en selvstendig rettslig stilling. Soknet vil fortsatt være arbeidsgiver for sine tilsatte og ha sin selvstendige økonomi. De kirkelige organene vedtas regulert i lov, og Kirkemøtet blir Den norske kirkes øverste organ. Kirkemøtet skal kunne opptre på det nye rettssubjektets vegne i alle saker der det ikke er fastsatt i lov eller i medhold av lov at myndigheten er lagt til et annet organ. Kirkerådet får en tydelig rolle som utøvende organ for Kirkemøtet, og dermed for rettssubjektet. Det lovreguleres at Kirken skal være landsdekkende ved at det fortsatt skal være prestetjeneste i hvert sokn, prost i hvert prosti og biskop i hvert bispedømme. Dette sikrer at Kirken skal være tilgjengelig i hele landet. I denne saken gjøres det ikke endringer i statens og kommunenes finansiering overfor Kirken. Dagens vedtak innebærer at Kirken går over til å bli finansiert gjennom rammetilskudd, og at midlene skal gå til samme formål som før, bl.a. trosopplæring. Det nye er at rammetilskuddet skal disponeres og fordeles av Kirkemøtet og ikke av storting eller regjering. Fremskrittspartiet er for en fri kirke uten politisk innblanding, og dette er nok et skritt på veien mot en fri og selvstendig kirke. Med dette vedtaket blir Kirken utvilsomt mer selvstendig. Samtidig vil mange, deriblant Fremskrittspartiet, mene at frihet fra staten kanskje også bør innebære at de økonomiske bindingene til staten opphører, og at Kirken og andre trossamfunn blir selvfinansierende. helt sikkert til å bli mange diskusjoner om framover. Fremskrittspartiet ser fram til en helhetlig gjennomgang av tros- og livssynsfeltet, og at alle spørsmål om finansiering og likebehandling vil bli behandlet i neste runde av lovgivningen for tros- og livssynssamfunnene. Den reformen som vi vedtar i dag, gir Kirken mulighet til å gjøre de endringer de selv synes er nødvendige innen organisering og lovverk fram til neste reformfase. Fremskrittspartiet ser fram til Kirkens arbeid med dette og forventer at formålet med arbeidet vil gjøre at statens lovregulering for Den norske kirke reduseres til en kortfattet rammelovgivning. Avslutningsvis vil jeg ønske Den norske kirke lykke til med nye ansvarsområder, og presiserer at dette er en viktig dag. Fremskrittspartiet ser fram til videre arbeid og prosess i forbindelse med reformfase to, som vil gi Kirken fullstendig selvstyre. Fra denne talerstolen får vi ofte høre at ting er historiske. Vi snakker om historiske satsinger, og vi snakker om historiske gjennomslag. Men når våre etterkommere skal lære om Norges historie i framtiden, så er det ikke helt sikkert at absolutt alle våre høydepunkt fra denne stortingsperioden står omtalt i historiebøkene. Men jeg er ganske sikker på at akkurat den saken vi debatterer nå, kommer til å bli omtalt. Vi kan trygt si at vi er med på å fatte et historisk vedtak. Jeg mener det er et viktig og riktig vedtak Stortinget skal fatte i dag. Selv om det kanskje kan være med litt blandede følelser for en del av oss, så er jeg glad for at det er bred politisk enighet og stor grad av enighet også mellom regjering, storting og Kirkens egne organer i denne saken. Det er mange som har kalt skillet mellom stat og kirke for en skilsmisse, men jeg føler ikke helt at det er en skilsmisse vi er med på. Det føles ikke helt som en begravelse heller, selv om statskirkemodellen nok begraves for godt. Det føles egentlig mest som om jeg er med i en konfirmasjon, for i konfirmasjonen handler det om og i konfirmasjonen er det dåpen og tilhørigheten til Gud som bekreftes. I dag er det på en måte Den norske kirke som er konfirmanten, og vi får bekreftet at Kirken er nettopp en kirke med tilhørighet til Gud, og ikke et statsorgan eller en offentlig etat. Og så er det også en annen likhet mellom konfirmantene og Kirken, og det er at de ikke bare er opptatt av innholdet i konfirmasjonen, men de er litt opptatt av pengene som følger med også. For Kirkens del er ikke det så rart, for Kirken opplever at det er mye som er uavklart når det gjelder økonomien, selv om vi slår fast at både staten og kommunene fremdeles vil ha et ansvar for å finansiere Kirken i framtiden. Spørsmålet om egenkapital for å kunne håndtere framtidig risiko vil bli et tema i statsbudsjettet for 2017, og i forbindelse med det vil Stortinget også ta stilling til Kirkens adgang til låneopptak. En slik mulighet vil være tvingende nødvendig dersom egenkapitalen ikke er solid nok, men jeg mener at det må være et mål at vi gir Kirken en reell mulighet til å stå på egne bein, og da må vi sørge for at det også gis tilstrekkelig egenkapital. Så er det viktig også for meg å understreke at selv om Kirken blir et selvstendig rettssubjekt fra neste år, betyr ikke det at alle bånd mellom kirke og stat brytes. Det skillet vi snakker om, det er, som flere andre også har sagt, et skille mellom Kirken og staten, og ikke et skille mellom Kirken og samfunnet, eller Kirken og folket. Kirken vil fremdeles ha en spesiell rolle og plass i samfunnet, i Den norske kirke skal forbli Norges folkekirke, og Kirken vil fremdeles være underlagt langt strengere reguleringer enn andre tros- og livssynssamfunn, og den må forholde seg til krav og forventninger som andre trossamfunn ikke berøres av. Ett av disse kravene er at Kirken skal være en landsdekkende kirke, den skal være tilgjengelig for alle. Det skal være en god prestedekning med en prest i hvert sogn, en prost i hvert prosti og en biskop i hvert Når vi stiller den typen krav til Kirken, må også staten stille opp, slik at Kirken blir i stand til å levere. Vi må stille opp med finansiering, og vi må hjelpe til med å løse de utfordringene Kirken vil møte i årene som kommer. Når vi ser på alderssammensetningen blant prestene, ser vi at rekruttering av nok prester kan bli én slik utfordring. Her må staten bidra og legge til rette slik den også gjør når det er annen kompetanse samfunnet har behov for. Jeg mener at staten også må ta konsekvensene av den nye arbeidstidsavtalen som er inngått mellom prestene og staten, noe jeg regner med at kulturministeren vil følge opp i revidert nasjonalbudsjett, som legges fram veldig snart. Jeg vil til slutt nevne utdanningstilbudet til prestene. Jeg tror det kan være en god løsning å legge praktisk-teologisk seminar til Universitetet i Oslo, slik vi nå vedtar, men jeg skulle ønske at regjeringen ville ta seg bryet med å komme tilbake til Stortinget med en nærmere vurdering av de ulike alternativene, ikke minst for å sikre likeverdig finansiering av praksisveiledningen ved alle de ulike utdanningsinstitusjonene som utdanner prester. Det er nesten fristende å avslutte med å lyse velsignelsen, men jeg får vel nøye meg med å ønske Kirken lykke til videre, og si at jeg ser fram til en fortsatt god dialog om viktige avklaringer for Kirkens framtid. Og med det tar jeg opp det forslaget som Kristelig Folkeparti står bak. Representanten Anders Tyvand har tatt opp det forslaget han refererte til. Det er – som det er sagt tidlegare her i dag – eit historisk sus over dei vedtaka som Stortinget skal gjera i dag. Endringane av kyrkjeloven markerer eit skifte og ei vidare lausriving av Den norske kyrkja frå staten. Sjølve endringane er ei direkte oppfølging av vedtaka som det førre stortinget gjorde i 2012, då heile sju paragrafar i Grunnloven vart endra, i tråd med det såkalla kyrkjeforliket frå 2008. I åra mellom 2012 og 2016 vart denne saka grundig behandla i dei kyrkjelege organa – og politisk – slik det er gjort greie for i proposisjonen. For Senterpartiet er avviklinga av Kongens særskilte kyrkjestyre ein avgjerande faktor i denne samanhengen. Når staten – gjennom kyrkjeleg statsråd – ikkje lenger er eit grunnlovfesta kyrkjeleg organ, fell også mykje av grunnlaget bort for å halda ved lag ordninga med at Den norske kyrkja berre har handleevne delegert frå Kongen, altså kyrkjedepartementet. Det er naturleg at Den norske kyrkja difor får juridiske fullmakter som eit For Senterpartiet har det vore viktig at denne prosessen har skjedd gjennom ei skrittvis utvikling og gjennom demokratiske prosessar. Eg vil i den samanhengen minna om at Senterpartiet hadde merknader til gjennomføringa av dei føregåande kyrkjelege vala og resultatet av demokratireforma, som låg som Senterpartiet meiner at kyrkjeloven ikkje går langt nok i å sikra grasrota i Kyrkja direkte innverknad, og meiner at alle dei sju leke representantane i bispedømeråda bør veljast direkte. Auka innverknad frå grasrota er spesielt viktig no, sidan samansetjinga av bispedømeråda framover vil bety meir. Bispedømeråda er allereie tillagde større myndigheit i utnemninga av kyrkjelege leiarar. Ytterlegare myndigheit vert tilført gjennom vedtaket i dag. Dette talar for at alle medlemene bør veljast gjennom direkte val. Eg viser til forslaget som vart fremja av representanten Sønsterud på vegner av Arbeidarpartiet og Senterpartiet. Når det gjeld same paragraf, § 23, vil Senterpartiet stemma mot forslaget meiner at det er inkonsekvent å vedta ein lovheimel som opnar for å sentralisera oppgåver utan at det er ein tilsvarande heimel for å flytta oppgåver nedover, særleg sidan suvereniteten til soknet er tydeleg slått fast i andre paragrafar. Senterpartiet registrerer at regjeringa vil koma attende til Stortinget i forslaget til statsbudsjett for 2017 med ei nødvendig Som det går fram av merknaden i innstillinga, nærer Senterpartiet ei viss bekymring for dette. Finansieringa av Den norske kyrkja er eit springande punkt i den vidare prosessen. Det er heilt avgjerande for både effektiviseringsprosessen, trusopplæringa og ikkje minst lokalt nærvære at rammetilskotet tek høgd for generell løns- og prisvekst og inkluderer dei føremåla og dei oppgåvene som i dag vert finansierte av staten, òg utanfor Ei lovfesting av stillinga til soknet og lokalt nærvære vert lite verdt dersom Kyrkja vert pressa til å slå saman sokn for å koma i økonomisk balanse. I proposisjonen gjekk regjeringa inn for ei sterkt avgrensa lånetilgang for Kyrkja. Senterpartiet har teke dette opp under behandlinga og meiner at det vil kunna setja Kyrkja i ein låst økonomisk situasjon. Eg er difor glad for at ein samrøystes komité er einig med Senterpartiet i at dette spørsmålet skal utsetjast til spørsmålet om eigenkapital og rammeløyvingar er avklart. Senterpartiet reagerer på at proposisjonen går langt i å forskottera ei innføring av medlemsfinansiering i Den norske kyrkja. Gjennom både tidlegare politiske behandlingar og interne prosessar i Kyrkja har det vorte klart at det ikkje er ønskjeleg med medlemsfinansiering. Den norske kyrkja kan difor ikkje takast til inntekt for ei framtidig innføring av privat medlemskontingent. Senterpartiet vil åtvara mot å påleggja folk å ta eit økonomisk val for å vera medlem i Den norske kyrkja. Ei tilstrekkeleg rammefinansiering er nødvendig for å hindra dette. I proposisjonen varslar regjeringa at det neste steget er å avvikla kyrkjeloven til fordel for ein generell rammelov for tru og livssyn. Lat meg kort understreka at Senterpartiet ikkje tek stilling til dette no, og vil venta på dei vidare utgreiingane og drøftingane i dei kyrkjelege organa og organisasjonane før det er aktuelt å ta stilling til nye reformer. Senterpartiet meiner at det er avgjerande for å føra vidare Den norske kyrkja som ei open og inkluderande folkekyrkje at den framtidige rammefinansieringa tek høgd for forpliktingane til Den norske kyrkja som trussamfunn, som arbeidsgjevar, og at Kyrkja ikkje vert tvinga til å innføra medlemsfinansiering for å
La meg få starte med å takke saksordføreren for å ha lost komiteen gjennom denne saken på en ryddig og god måte. Det er en stor sak, og det er ingen enkel sak heller, men jeg synes vi, både saksordføreren og komiteen, har kommet oss gjennom den på en god måte. Venstres primære standpunkt er ganske tydelig. Vi ønsker et fullt skille mellom stat og det betyr også i Grunnloven og i andre lover. Vi mener at alle borgere skal sikres full frihet i trosspørsmål, og vi mener at det må bety at ingen offentlige institusjoner skal knyttes til en bestemt religion. Den saken vi har foran oss i dag, er et viktig og langt skritt i riktig retning. Nå er vi i ferd med å begynne på det skillet mellom stat og kirke som Venstre har ønsket seg lenge. Som mange har vært inne på, er det ulike elementer i denne saken, og det å etablere Den norske kirke som et selvstendig rettssubjekt, er kanskje det aller viktigste og mest symboltunge av det vi gjør. Men det er også viktig at vi tar det grepet med å overføre prestene fra staten til det nye rettssubjektet. Det er viktige grep for å få til det skillet som vi ønsker. Flere har nå sagt at det blir et skille mellom stat og kirke, men det blir ikke et skille mellom kirken og folket. Det er én måte å si det på. Jeg bruker å tenke at når vi nå får et skille mellom stat og kirke, har jeg tillit til at medlemmene i Den norske ønsker å videreutvikle kirken vår i retning av en bred og god folkekirke, selv om det ikke lenger er en statskirke. Det er en prosess som jeg tror blir spennende, og som jeg har lyst å være en del av. Selv om vi nå er i gang og tar et viktig skritt i dag, gjenstår kanskje mesteparten av jobben, og den ligger fortsatt foran oss. En ting som vi i komiteen har skjøvet på, er spørsmålet om låneopptak. Men vi vet også at statsråden har varslet at det kommer en helhetlig lov. vet at mange følger denne saken. Dette er en prosess som engasjerer mange, og jeg er helt sikker på at mange flere enn meg får mailer og telefoner om dette. Det handler om hvordan vi skal organisere Kirken, hvordan økonomien rundt dette skal organiseres. Derfor er det en sak vi også må følge med på framover. I Venstre er vi opptatt av at vi skal ha en raus finansiering av tros- og livssynssamfunn. Vi skal ha likebehandling, men vi skal ha en raus finansiering også framover. Det har vi også i dag. Venstre har fremmet og fått flertall for – statsråden har også vært tydelig på at hun ønsker det – en stortingsmelding om en helhetlig tros- og livssynspolitikk. henger litt sammen – det med skille mellom stat og kirke og en helhetlig tros- og livssynspolitikk. Samtidig vil jeg advare mot å tro at vi skal snevre dette inn til bare å handle om skille mellom stat og kirke og hva slags økonomiske forhold Den norske kirke skal ha. Tros- og livssynspolitikk som helhet må handle om mye mer enn bare det, for vi som samfunn står overfor noen viktige skiller, vi står overfor noen verdier som vi trenger å debattere i en helhet, ikke bare stykkevis og delt. se på det i en helhet – alt ifra hijab i politiet til bruk av riksvåpen. Det er mange ting som dukker opp i en sånn debatt. Selv om vi nå er i ferd med å skille stat og kirke, selv om det er historisk, og selv om det er mange økonomiske ting som oppstår i kjølvannet av det, må vi ikke glemme at det handler om mye mer enn det. Med det prinsippet som vi nå er i ferd med å gjennomføre, at staten ikke lenger skal ha følger det også en forpliktelse til å ta den store debatten om hvilken plass religion og livssyn skal ha i samfunnet vårt. Jeg er glad for at vi kommer et steg videre i dag, men jeg ser også fram til det store arbeidet som vi har foran oss.

Jeg ser på representanten Tyvand som en autoritet i denne debatten, så jeg aksepterer umiddelbart bildet av en konfirmasjon. Jeg har likevel behov for å legge til at uansett hvordan vi ser på det, er det i hvert fall slutten på et samboerskap mellom stat og kirke, som tiden har løpt fra, som vi nå markerer enda en etappe av. Iblant er det til det beste å flytte fra hverandre for begge parter. En moderne demokratisk stat må være sekulær, og et trossamfunn må få styre seg selv uten å være en del av og et redskap for statsmakten. Denne avslutningen av samboerskapet mellom stat og kirke er ikke avsluttet med de lovendringene vi behandler i dag. Det er behov for å gå videre for å skape en virkelig trosnøytral stat og for å skape en virkelig fristilt kirke. Ikke minst med utgangspunkt i det ser SV fram til den stortingsmeldingen som skal komme om en helhetlig tros- og livssynspolitikk, som er den riktige arenaen for å diskutere selve bredden i tros- og livssynspolitikken, og også hvordan vi skal komme videre mot den sekulære staten og den frie kirken som det nå begynner å bli bred enighet om at vi ønsker oss i Norge. Derfor er det også SVs syn at de endringene vi nå gjør i kirkeloven, bør begrenses til det som er helt nødvendig for å kunne gi Den norske kirke stilling som et selvstendig rettssubjekt med arbeidsgiveransvar for sine ansatte. Vi mener målet skal være at Den norske kirke skal være likestilt med andre tros- og livssynssamfunn, med samme plikter og rettigheter, og dermed også at Kirken skal stå fritt til å organisere seg selv. Derfor er vårt utgangspunkt at det er ingen grunn til at staten skal lovregulere Kirkens organisasjonsstruktur. Når vi likevel vil stemme for regjeringens ulike forslag til endringer i den lovreguleringen, er det nettopp fordi retningen handler om mer frihet for Kirken og mindre makt over Kirken for staten. Vi er opptatt av at vi i denne prosessen skal bidra til ordnede forhold også i Den norske kirke, ikke minst handler det om arbeidsgiveransvar og å ta vare på rettighetene til de ansatte i Kirken. Vi mener det er positivt at vi med disse lovendringene stadfester at det er Kirkemøtet som skal bestemme i de mest sentrale spørsmålene rundt utviklingen av Den norske kirke, og ikke Stortinget. Vi synes det er positivt at vi får på plass en redusert lovregulering av bispedømmerådene, og vi synes det er viktig at arbeidsgiveransvaret nå overføres dit det hører hjemme, men på en måte som tar vare på de faglige rettighetene til de ansatte i Kirken – ikke minst på det punktet som gjelder pensjon – og sørger for at de som jobber i Kirken, får med seg grunnleggende rettigheter som de har hatt som statsansatte. Når Stortinget skal gå videre i denne prosessen, kommer SVs mål til å være et finansieringssystem bygget på full likebehandling mellom ulike tros- og livssynssamfunn. Vi kommer til å være opptatt av at vi skal ha rause rammer for støtte til tros- og livssynssamfunn, men vi mener at den samlede støtten til tros- og livssynssamfunnene i Norge ikke bør økes utover de allerede betydelige rammene som brukes på dette formålet. Jeg synes det er et viktig skritt i riktig retning. SV vil stemme for de forslagene som regjeringen har fremmet, og regjeringen lykke til med det videre arbeidet med meldingen som kommer, og de neste stegene i den fraflyttingen og konfirmasjonen som vi skal igjennom. Det er en historisk begivenhet når Stortinget behandler lovforslaget som gjør Den norske kirke til et selvstendig rettssubjekt. Gjennom tusen år har kristen tro og tradisjon preget samfunnet vårt. Det har satt dype spor gjennom verdier og ritualer, skikker og språk, i og i institusjoner. Gjennom historien har den norske folkekirken blitt til. Det er Grunnlovens uttrykte vilje at Den norske kirke, som en evangelisk-luthersk kirke, skal forbli Norges folkekirke og som sådan understøttes av staten. Det norske samfunnet rommer et stadig større kulturelt og religiøst mangfold. Det er derfor behov for å legge et nytt grunnlag for Den norske kirkes fortsatte liv og virke. Det må gjøres så det sikrer religions- og livssynsmessig frihet for alle, og at folkekirkens særskilte rolle og oppgaver kan ivaretas. Dette er viktige spørsmål for mange, også for kirkemedlemmene som ikke engasjerer seg så aktivt i sin kirke, men som likevel ønsker å høre til og benytte seg av tjenestene ved livets store anledninger. Det er derfor grunn til å være varsom med å gjøre endringer som kan gi mennesker en følelse av at kirken blir tatt fra dem. Det tilsier skrittvis tilnærming til endringer og at man søker bred kirkelig og politisk tilslutning til kirkelige reformer. har vært hovedlinjen i norsk kirkepolitikk. Reformer i den kirkelige lovgivningen har skjedd gradvis. Og ved denne reformprosessen er det trinn for trinn blitt etablert en kirkelig organisasjon med demokratisk valgte organer på lokalt, regionalt og Også de siste ti årene har vi gått skrittvis frem. Kirkeforliket mellom partiene på Stortinget ble inngått i 2008, og det ble lagt frem en stortingsmelding. I tråd med kirkeforliket og stortingsmeldingen ble det videre gjennomført en kirkelig demokratireform og ulike endringer i den kirkelige lovgivningen i forliksperioden fra og Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen ble på dette grunnlaget endret i 2012. Nå er tiden inne til å ta et nytt og viktig skritt. Det er gledelig og svært viktig at vi også ved dette veiskillet kan slå fast at det er bred kirkelig og politisk tilslutning. Derfor ønsker jeg å takke komiteen de ulike partienes representanter for et veldig godt og grundig arbeid med denne saken og også for et veldig godt og konstruktivt samarbeid. Det er regjeringens intensjon at reformen skal gjennomføres fra 1. januar 2017. Som flere representanter har sagt fra talerstolen, så vil de ulike økonomiske konsekvensene bli lagt i forslaget til statsbudsjett for 2017, og det innebærer at det nå ikke er grunnlag for å si mer om dette enn det som fremgår av proposisjonen. Vårt utgangspunkt ved budsjettering av statens tilskudd til Den norske kirke ved utskillelsen er at gjeldende bevilgningsnivå skal legges til grunn. Men det er også viktig for meg å understreke at denne saken handler om selve skillet mellom staten og kirken. Nå er vi i gang med å utrede forslag til en helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn. Dette vil omfatte en samlet gjennomgang av lovgivningen og finansieringsordningen for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn, som Stortinget har bedt regjeringen om. Vi skal også legge frem en stortingsmelding om en helhetlig tros- og livssynspolitikk, hvor jeg også ser frem til en veldig god prosess med Stortinget. Vi skal være i dialog med Kirken og med de andre tros- og livssynssamfunnene i arbeidet med ny lovgivning, og vi håper at vi også her skal komme frem til gode og samlende løsninger som kan få bred tilslutning og en involverende prosess fra Stortingets side. Jeg vil helt til slutt gratulere Kirken med en stor dag og ønske dem lykke til med det ansvaret, de forpliktelsene og de mulighetene det innebærer å bli et eget rettssubjekt! Det

med en avklaring. Ser regjeringa for seg en egenkapital og rammebevilgning som garanterer mot f.eks. innskrenkninger? Vil de gi det økonomiske handlingsrommet som er nødvendig for at Kirken kan opprettholde sine forpliktelser og utføre sine tjenester på en god
Vårt forslag, som representanten refererer til, var ikke en låneadgang for Kirken, men jeg registrerer jo at komiteen og Stortinget ønsker det. Når departementet foreslo en begrensning, så var det fordi Kirken så å si ikke hadde andre inntekter enn statstilskuddet, og om økonomiske vanskeligheter på grunn av lånegjeld, kan staten komme i en pressituasjon. Men vi vil – som jeg vet representanten Sønsterud kjenner godt til – komme tilbake med en helhetlig finansiering og en likebehandling av alle tros- og livssynssamfunnene. Vi er i gang med arbeidet der nå. Og så tar jeg til etterretning den enstemmige innstillingen i denne saken. Et annet spørsmål også som omhandler finansiering – det er den saken som regjeringa har klart å lage ganske stor – er medlemsfinansieringen, noe som regjeringspartiene i innstillingen understreker vil være en naturlig del å vurdere i framtida. For Arbeiderpartiet handler finansiering om de forpliktelser staten historisk sett har overfor Kirken, det handler om Kirkens ansvar for å forvalte sin del av kulturarven, og det handler om Kirkens forankring i Grunnloven og samfunnsoppdraget det innebærer, noe vi understreker i forbindelse med loven vi behandler i dag, hvor Kirken f.eks. pålegges å være til stede i hele landet, mye mer enn det andre tros- og livssynssamfunn har ved lov og har som forpliktelser. I lys av dette er ikke spørsmålet om medlemsfinansiering noen aktuell sak for Arbeiderpartiet. Men hvorfor er den så viktig for regjeringa? Jeg er helt enig i det som representanten Sønsterud understreker, nemlig at det er en del forpliktelser for Den norske kirke som en del andre tros- og livssynssamfunn ikke vil ha, at man skal være til stede rundt i hele landet, og det vil naturligvis påføre en del kostnader. Men så er det sånn at når vi skal utrede finansiering og finansieringsordninger, er det, mener jeg, viktig ikke å utelukke noen muligheter før man setter i gang med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 De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.
I går markerte vi stortingsbygningens 150-årsjubileum, og Eidsvolls plass var fylt av skolebarn som fikk lære litt om hva vi driver med her inne i stortingssalen. En av de aller viktigste oppgavene vi har, er å lage nye lover eller endre eksisterende lover for å tilpasse dem til en ny tid. I dag skal vi vedta endringer i kirkeloven, som er et godt eksempel på det å tilpasse lovverket til en ny tid. På samme måte som det var en historisk dag i går, er det også det i dag når vi vedtar disse endringene. Det nye konstitusjonelle grunnlaget for folkekirken ble lagt i 2012, og nå bekreftes Den norske kirke som en fri, selvstendig og ansvarlig kirkeorganisasjon. Regjeringen har i tråd med Sundvolden-erklæringen og Kirkemøtets vedtak utarbeidet en ny lov som sørger for et tydelig skille mellom stat og kirke samtidig som vi opprettholder Kirken som en folkekirke for alle, som også er nedfelt i Grunnloven. Den reformen vi vedtar i dag, får også noen konsekvenser for den praktisk-teologiske utdanningen om hvilke kvalifikasjonskrav som skal gjelde for å bli prest i Den norske kirke, og for vilkårene for ordinasjon og tilsetting som prest. La meg gi et eksempel. Opp til nå har det vært departementet som har fastsatt krav for tilsetting og ordinasjon. I den nye loven overlates denne myndigheten til Kirkemøtet, som altså fra nå av er Den norske kirkes øverste organ. Når det gjelder utdanning av prester, foregår det i Norge ved tre ulike institusjoner, med noe ulik profil og innhold: Det teologiske Menighetsfakultet, den nyfusjonerte vitenskapelige høyskolen VID og Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Så har vi Det praktisk-teologiske seminar som til nå har ligget direkte under Kulturdepartementet og Kirkelig utdanningssenter i nord, som igjen har ligget under Det praktisk-teologiske seminar. I forslaget som blir vedtatt i dag, ryddes det opp i dette ved at virksomheten ved Kirkelig utdanningssenter i nord overdras til Den norske kirke. Samtidig omorganiseres Det praktisk-teologiske seminar i Oslo, slik at det blir en del av Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Det praktisk-teologiske seminar har helt siden opprettelsen i 1848 vært knyttet til fakultet ved Universitetet i Oslo og har i de siste par tiårene, i nært samarbeid med fakultetet, utviklet en praksisutdanning som både er på høyde med utviklingen i de andre profesjonsfagene, og er tilsvarende vitenskapelig forankret. Ved innføring av kvalitetsreformen i 2004 har utdanningen vært en integrert del av cand.theol.-graden, og det er en utvikling man også ser i andre profesjonsrettede utdanninger ved Universitetet. Det er en positiv utvikling som samsvarer godt med andre profesjonsutdanninger. Vi går inn i et nytt kapittel i historien om Den norske kirke, og jeg synes Anders Tyvand godt satte ord på det, og hadde analogien som en konfirmasjon, og jeg vil også gjerne benytte anledningen til å gratulere oss selv med dagen. Det nærmer seg slutten på denne debatten, og jeg vil gjerne takke for gode innlegg. Mange spørsmål har vært tatt opp og påpekt – også det som gjelder kirkas framtidige økonomi og finansiering. Likevel er det sånn at verken proposisjonen eller innstillingen vi behandler i dag, har lagt opp til en bred debatt om vedtak knyttet til dette. Dette er spørsmål som, slik kulturministeren sa, først kommer i Når vi nå går inn i en ny fase i forholdet mellom Den norske kirke og staten, skal den norske folkekirka videreutvikle sin form i et flerreligiøst og flerkulturelt samfunn. De siste 50–60 årene har landet vårt vært i sterk forandring når det gjelder tros- og livssyn. Mine besteforeldre ville knapt kunne forestilt seg en sånn utvikling. Det mangfoldet vi i dag ser og ønsker velkommen, har bidratt til å utvide vår horisont og vårt erfaringsgrunnlag. Samtidig utfordres vår evne til å håndtere tros- og livssynsspørsmål i det offentlige rom. Det gjelder oss som politikere, og det gjelder også kirka. Det å være kirke i sin tid vil utfordre kirka som institusjon og som forvalter av den evangelisk-lutherske teologien. Jeg håper Den norske kirke også i framtida vil føre videre sin tradisjon som dialog- og samtalearena i samfunnet. For den norske folkekirka vil også i framtida være en grunnpilar og en viktig kulturbærer, samtidig som den vil være et trosfellesskap for kirkas medlemmer og dem som oppsøker kirkas mange virksomheter og aktiviteter. Med lovendringene som nå er foreslått, vil kirka selv få større autonomi og innflytelse på hvordan framtida skal møtes, og hvordan kirka skal forvalte sitt mandat. Jeg håper og tror at vi har lagt et godt grunnlag for den neste epoken for den norske kirke. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1. Kommunal- og forvaltningskomiteen har med grunnlag i § 22 syvende ledd annet punktum i Stortingets forretningsorden anmodet om en debatt om seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen.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 Presidenten vil videre gjøre oppmerksom på at det i forretningsordenen er tatt inn en bestemmelse vedrørende taletid for slike debatter ved at én representant fra hvert parti gis adgang til et ubegrenset antall innlegg. Disse talerne er meldt inn til presidenten på forhånd. Også medlemmer av regjeringen som deltar i debatten, vil ha adgang til ubegrenset antall innlegg. – Det anses vedtatt. Bygge- og anleggsnæringen er

en av våre viktigste næringer. Det er en næring som skaper arbeidsplasser og verdier for fellesskapet, som utdanner nye fagarbeidere, og som bygger landet vårt. Men det er også en næring med store utfordringer. For det er altfor mange useriøse aktører som undergraver kompetansebygging i næringen, unndrar skatter, begår lovbrudd og driver sosial dumping. Tall fra skatteetaten viser at omtrent 40 pst. av saker som gjelder svart arbeid de siste årene, er avdekket innenfor byggebransjen. Det er en stor utfordring fordi fellesskapet går glipp av skatteinntekter, og fordi det sakte, men sikkert utkonkurrerer de seriøse aktørene. Det bekreftes bl.a. i Kripos’ rapport om arbeidslivskriminalitet fra 2014. Den advarer mot at utviklingen fører til at kvaliteten på håndverkertjenester svekkes, og at norske håndverkertjenester kan utkonkurreres helt. Dette er ikke skremmebilder om en mulig framtid. BNL la samme år fram en rapport som viste at sju av ti av deres malerbedrifter hadde mistet oppdrag til aktører som jobbet svart. er alvorlig. Vi har fått advarsler om mafiatilstander, og at det også sprer seg til andre næringer. Det trengs med andre ord en innsats på mange hold for å møte denne utviklingen. Jeg vil berømme byggenæringen og Fellesforbundet som har tatt et stort ansvar. I 2014 la en samlet byggebransje fram et helhetlig forslag til en frivillig, ny Men nå står vi altså her, to år etter at byggenæringen la fram forslaget sitt. I fjor gjorde Stortinget noen endringer i lovverket, men det er fremdeles usikkert om regjeringen har tenkt å levere på helheten i det byggenæringen har ønsket seg. Derfor er det bra at vi har denne debatten her i dag, og jeg er veldig spent på å høre om regjeringen bare har en god virkelighetsbeskrivelse, eller om de også har tenkt å handle. har gang på gang understreket at tiltakene henger sammen og må gjennomføres i helhet hvis de skal ha en god effekt. Dersom regjeringen fortsetter strategien med å plukke ut enkeltelementer, er jeg redd for at vi kaster bort en historisk mulighet til å ta et krafttak mot de useriøse og kriminelle aktørene. Regjeringen har etter to år ikke greid å bestemme seg for om de vil innføre en godkjenningsordning for ROT- og underentreprenørmarkedet som en del av en sentral godkjenning. Dette er et marked som i stor grad er preget av useriøse aktører, og BNL har flere ganger pekt på at nesten hele veksten i oppussingsmarkedet har gått til useriøse aktører som bedriver svart En innføring av den såkalte modul 2 vil gjøre det mulig for bestiller og forbruker å velge seriøse aktører, men modul 2 er også avgjørende for at ordningen med sentral godkjenning skal bli attraktiv for bedriftene. Ettersom denne godkjenningsordningen vil være frivillig, er det ganske viktig at de bedriftene som blir sentralt godkjent, får en reell forenkling. Forslaget fra byggenæringen innebar derfor at dersom hele kontraktskjeden var sentralt godkjent, var påseplikten og kontrollplikten ansett oppfylt – et betydelig forenklingstiltak. Men dersom modul 2 ikke innføres som en del av den sentrale godkjenningen, vil næringen heller ikke få denne forenklingen. Utvalget som sto bak rapporten Enkelt å være seriøs, foreslo også en registreringsplikt på byggearbeid. Poenget er da at en del av tiltakene i ROT-markedet faktisk vil bli registrert og gi grunnlag for tilsyn med tiltak som ikke er søknadspliktige. Dette forslaget er blitt utredet separat og ble overlevert Kommunal- og moderniseringsdepartementet i september i fjor. BNL melder til oss at de ennå ikke har fått en tilbakemelding på dette forslaget. Utvalget foreslo også forenklet tilsyn som skulle sikre flere tilsyn på byggeplasser og avdekke flere ulovligheter. Heller ikke her har regjeringen levert etter ønskene. Det er med andre ord mye som gjenstår, og tiden er i ferd med å renne ut. Ordningen med lokal godkjenning ble avskaffet ved nyttår, og det haster med å få innført helheten for at markedet ikke skal En alvorlig situasjon for en av våre viktigste næringer krever handlekraft. I Arbeiderpartiet har vi lenge forstått at alt henger sammen med alt. Jeg håper denne debatten kan forsikre oss om at regjeringen forhåpentligvis også har

La meg først få takke min kollega fra Arbeiderpartiet for initiativet til denne debatten – en debatt hele komiteen ønsker velkommen, og som vi i Høyre mener er viktig. Bygg- og anleggsnæringen har dessverre slitt med både en dyster historikk og negative eksempler på sosial dumping, svart arbeid, lovbrudd og useriøse aktører. Flere regjeringer, Stortinget og bransjeorganisasjoner har pekt på disse utfordringene i mange år. Bransjen har også selv reist debatten knyttet til useriøse aktører og har kommet med mange innspill. Blant annet ønsker byggenæringen en godkjenning av foretak i ROT-markedet – rehabiliterings-, ombyggings- og tilbyggsmarkedet. Næringen har også gitt sine samlede tilbakemeldinger og anbefalinger gjennom rapporten Enkelt å være seriøs. I juni 2014 – for å gå litt inn i bakgrunnen for dagens debatt også – ble kravet om lokal godkjenning av foretak opphevet som følge av at ESA anla sak mot Norge. Det var bakgrunnen for endringen. Denne lovendringen trådte i kraft 1. januar i år. Men det ble samtidig med dette lagt til grunn at man skulle erstatte dette med andre tiltak, slik at man sørger for fortsatt seriøsitet i denne bransjen, og etter hvert en ny sentral godkjenning. Det er viktig for både regjeringen og Høyre at dette arbeidet blir effektivt og grundig. Dette er regjeringen i gang med, i god dialog med bransjen og etter hvert selvfølgelig også Stortinget. Dagens debatt er et eksempel på det. Siden debatten først og fremst handler om å heve blikket og se bredden, vil jeg benytte anledningen til å reflektere litt over problemstillingene som reises, og hva jeg tror kan være hensiktsmessige veivalg i det videre arbeidet. La meg først slå fast at selv om man ikke trenger å søke om lokal godkjenning i forkant av byggesaker, betyr det dermed ikke at det er fullt frislipp og fritt fram for useriøse aktører. Selv om foretakene selv kan erklære ansvar, kan kommunene fortsatt fatte vedtak om å frata ansvarsrett dersom foretaket ikke er kvalifisert. I slike tilfeller er det også viktig at kommunene har gode muligheter for å drive kontroll og innsyn, slik at de umiddelbart kan sette foten ned for useriøse foretak. Akkurat som forenklinger i annet regelverk har gitt kommunene mer ressurser til å konsentrere seg om kvaliteten på byggeprosjekter framfor f.eks. å bruke masse unødig tid på nabokrangler, vil også disse endringene kunne bety at kommunene i stedet for å drive med registreringsarbeid og lokal godkjenning heller kan dreie ressurser mot tilsyn. Sentralt godkjente foretak har etter søknad fått sine kvalifikasjoner vurdert og slipper dermed en ny vurdering i kommunen. Det er Direktoratet for byggkvalitet som godkjenner foretakene. Fra i år skal disse foretakene også oppfylle kriterier som viser seriøsitet. Det kan handle om alt fra om man har betalt skatt, har fått anmerkninger, har HMS-erklæring, har registrert sine ansatte, historikk osv., til om foretaket kan vise til hvorvidt det er en godkjent opplæringsbedrift, og at man har de nødvendige forsikringene. Mangel på slike ting – spesielt forsikringsordninger – fører ofte til store konflikter mellom den enkelte forbruker og useriøse aktører. Jeg vil også særlig trekke fram løsninger som gjør at enkelte etater nå er i stand til å utveksle bl.a. skatteopplysninger fra sentralt godkjente foretak, og en automatikk i overføring av opplysninger som det satses mer på framover. Avslutningsvis er det også viktig å understreke og minne om at rundt 15 000 foretak er registrert i dag, og de ser en del viktige fordeler ved det. Vår jobb nå er å sørge for at flere foretak ønsker å være registrert, at de ser fordelene med å være registrert. Noen av fordelene er at man blir raskere en foretrukket aktør av kunder, for det handler om kvalitet, sikkerhet og forutsigbarhet for kunden. Dermed bør de foretakene som ikke er registrert, bli prioritert i kommunenes tilsynsrutiner. Jeg mener at det skal lønne seg å være et registrert foretak, og det skal lønne seg å velge et registrert foretak. Jeg ser fram til regjeringens arbeid med dette framover og synes at dagens debatt sånn sett kan bidra med nyttige innspill til regjeringens arbeid. Men man ligger ikke etter, slik enkelte kan påstå.
Eg vil òg starta med å takka representanten Stine Renate Håheim for å ha teke initiativ til denne debatten. Eg vil takka ho for engasjementet i desse sakene, som komiteen har behandla tidlegare, og som me vil få på vårt bord i framtida òg. Eg vil òg takka Mudassar Kapur, som på ein fin måte gjorde greie for litt av det arbeidet som regjeringa jobbar med. Og så er me så heldige at me har både kommunal- og moderniseringsministeren og arbeids- og sosialministeren på plass, slik at me kan få ytterlegare oppdateringar om korleis regjeringa ser på denne saka. Eg synest det er bra at Arbeidarpartiet har eit engasjement knytt til denne saka, men reagerer litt på at ein nok ein gong framstiller det som at regjeringa gjer for lite for seint. Det kunne nesten synast som om alle desse utfordringane me har, har oppstått dei siste to åra. Det er for det første feil. Det har vore utfordringar lenge. Eg synest òg me skal minna om at det er veldig mange skikkelege selskap innanfor bygg og anlegg, og det er viktig at me ikkje teiknar eit bilete av at det er utfordringar i alle selskap og på heile fronten. Men eg trur at dei selskapa som er seriøse, kanskje er dei som aller mest ønskjer at me får på plass ein modell som gjer at dei useriøse har eit vanskelegare område å handtera enn det dei har i dag. Mudassar Kapur gjekk igjennom bakgrunnen for at me fjerna lokal godkjenning den 1. januar 2016. Det blir jobba med å få på plass gode alternativ, og det er god dialog mellom regjeringa og næringa. Mykje av det arbeidet munna ut i rapporten Enkelt å være seriøs, som er det grunnlaget ein har å jobba vidare med. Når den lokale ansvarsretten er vekke, betyr det at kommunane, som tidlegare behandla godkjenning etter det regelverket, har frigjeve ressursar til andre ting. Det er viktig for oss at dei ressursane no blir dreidde mot meir tilsyn. Her spelar kommunane ei viktig nøkkelrolle, og kommunane sin administrasjon er nøydd til å ha store fagmiljø som kan handtera dette på ein god måte. Derfor er det naturleg å seia at den pågåande kommunereforma òg er viktig. I dag har me 428 kommunar i Noreg, som alle skal ha fagkompetanse på å vera gode forvaltarar av regelverket. Det er rimeleg openbert at lykkast me med kommunereforma, vil me få breiare fagmiljø òg innanfor dette området, og me vil vera i ein betre posisjon til å følgja opp dei selskapa som treng oppfølging frå kommunane si side. Plan- og bygningslova er kanskje den viktigaste lova lokaldemokratiet har å forvalta. Her er det eit stort handlingsrom, fordi plan- og bygningslova gjev kommunane store moglegheiter til å vera at kommunane skal vera ja-kommunar, men me ønskjer òg at kommunane skal slå ned på useriøse aktørar. Det er viktig at me byggjer dei gode fagmiljøa som skal til for å bli endå betre på det. Der spelar kommunereforma, som me er midt oppe i no, ei nøkkelrolle. Eit anna poeng som kommunane òg bør tenkja på, er at dei er innkjøparar av store arbeid innanfor bygg og anlegg. er viktig at kommunane har god innkjøpskompetanse. Kommunereforma vil etter mitt syn bidra til at kommunane blir endå betre innkjøparar og kan stilla dei riktige krava som storinnkjøpar. Slik kan ein sikra god kompetanse i kommuneadministrasjonane til å stilla dei riktige krava når ein skal gjera store innkjøp, noko som vil vera viktig for nettopp å seia at det å vera registrert, ha dei sentrale godkjenningane og ha orden i papira sine er krav som blir stilte, og at det er eit kvalitetsmerke for dei selskapa som opererer. Eg ser fram til den vidare debatten, og me gler oss til å høyra statsrådane si løypemelding på korleis arbeidet går. Det er veldig positivt at både arbeids- og sosialministeren og kommunal- og moderniseringsministeren stiller opp i ein slik debatt i Stortinget, slik at me får begge perspektiva – både korleis ein ser på tinga frå deira perspektiv, og korleis ein ser på det når det gjeld det pågåande arbeidet med å forenkla og betra plan- og bygningslova, som kommunalministeren driv med kvar einaste dag. Kristelig Folkeparti er glad for, og takker for, at denne debatten er kommet opp, og jeg vil legge til at siden den har en så bred innfallsvinkel, får vi nå anledning til å se en sak og en bransje fra flere sider. Jeg tenkte jeg skulle se litt på vilkårene denne bransjen har. Norge har et særlig klima, som krever at bransjen har en spesiell kompetanse. I dag har vi også helt nye miljøkrav, som denne bransjen må beherske. I tillegg skal denne bransjen operere i en geografi som krever at en løser ekstreme utfordringer. Denne bransjen har også gjennom mange år bygd på norskproduserte byggevarer, slik at her er det også en byggevarebransje som det er viktig å ha øye for. I tillegg vet vi at våre håndverkere og denne bransjen må besitte ulike teknikker, som den useriøse delen av bransjen kanskje ikke behersker. I tillegg er det viktig at de som er aktører i bransjen, behersker reglementet – reglement omkring brann, omkring universell utforming, at ting får lang levetid, at kostnadene holdes nede, arrondering av bomiljø, Alt dette er vilkår som krever at useriøse må vekk. Kristelig Folkeparti ønsker å støtte alle tiltak som kan styrke bransjens vilkår i så måte. I dette arbeidet regner jeg med at både arbeidstilsyn, interesseorganisasjoner, fagbevegelse og skattemyndigheter deltar. Det har også en side som har med arbeidsforhold å gjøre, at denne bransjen fungerer på en ryddig måte, slik at sikkerheten er ivaretatt for de arbeidsfolkene som deltar. Så er det dette med anbudskriterier. Vi vil være med og støtte at offentlige anbud, og for så vidt også private, blir pålagt å innhente dokumentasjon på at ingen nivå, verken underleverandører eller hovedentreprenører, benytter useriøs arbeidskraft. Dette kan legges inn i anbudskriterier fra både fylkeskommuner, stat og kommuner. Jeg har lyst til å legge til at denne delen er kanskje et særlig egnet felt for skattemyndighetene til å ta tak i svart arbeid, for det er nok en inngangsport for en del useriøse, som bør stoppes. Jeg vil også legge til at kommunene er et De skal ta seg av godkjenning, de skal ta seg av tilsyn, de skal ta seg av rettledning. Da vil jeg oppfordre kommunene også til å utvise nødvendig service for å hjelpe denne bransjen til å bli seriøs, slik at en i de rette kontorer får møte den fleksibilitet og velvilje som trengs for at folk skal fungere. Vi må huske på at de fleste innen denne bransjen er kanskje små entreprenører, kanskje enmannsforetak, som trenger rettledning for å holde rett kurs. Så vil jeg også peke på det bidraget vi kan gjøre innen plan- og bygningsloven, innen reglement. Der ønsker Kristelig Folkeparti å bidra til at vi får til en forenkling, som f.eks. den sentrale godkjenning. Men det er også andre ordninger innen den kommunale forvaltningen som kan bidra til å styrke bransjen, og også til å oppdage useriøse forhold. Jeg har til slutt lyst til å nevne at en annen side ved denne saken er at videregående opplæring, videregående skoler, må sørge for en dimensjonering og en kontakt med bransjen og med markedet som gjør at vi kan få gode lærlingordninger. Kristelig Folkeparti har vært med og styrket lærlingordningen, og det ønsker vi å fortsette med. Vi mener at i dagens arbeidssituasjon er dette særdeles viktig. Så vil jeg nevne at næringen er også en kulturbærer, som har tradisjoner innen norsk håndverk, og at dette blir tatt vare på. Jeg vil berømme byggenæringen for at de tar tak i denne saken, og jeg ønsker at de skal oppleve at vi politikere lytter til dem, og at vi legger til rette for gode forhold. Så mener jeg at vi har et godt lovverk i Norge, vi har et godt reglement, men det er praksisen vi må følge opp, slik at den blir i samsvar med lovverket. Det ønsker vi å

norsk arbeidsliv gjennom østutvidelsen av EU i 2004–2007. Det er altså ikke noe som er nytt de to siste åra, det er noe som stadig utvikler seg, i mer og mer alvorlig retning, og er med på å underminere den norske modellen med ryddighet, faste ansettelser, langsiktighet og økt produktivitet. Dette fører til at det blir utfordringer knyttet til om en opptrer seriøst, hva som blir arbeidsplasstilbudet for faglærte ungdommer, og i hvilken grad norske myndigheter greier å få inn de skatter og avgifter som arbeidstakere og næringsdrivende er pålagt. Jeg vil starte litt med ordet «seriøst». Hva betyr egentlig ordet «seriøst»? Hva Det er et meget krevende begrepspar. En kan godt drive lovlig virksomhet på en hva jeg vil kalle useriøs måte, men vi vet at det her er gråsoner i hva som er meninga, og hva som er praksis. Enhver sjølstendig næringsdrivende og ethvert firma vet hvilke firmaer som er en kaller for seriøse. En vet også hvilke firmaer som opptrer på kanten av eller på feil side av loven. Når det gjelder å vurdere seriøst kontra useriøst, er kontroll et sentralt punkt. Kontroll skal vise hva som er lovlig, kontra det som er ulovlig. EØS-utvidelsen har altså økt antall arbeidstakere i enorm og det er nå en situasjon hvor det utstedes ca. 100 000 nye D-nummer per år i folkeregisteret. Dette er meget krevende, og det er ganske opplagt at Finansdepartementet ikke har lagt godt nok til rette for riktig beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold. Det er en kjent sak for departement det er en høy risiko. Det er et lite utviklet regelverk, sjøl om det har vært kjent lenge. Og utenlandske næringsdrivende skiller seg særlig ut, fordi de i størst grad underrapporterer inntekt og derfor ilegges bl.a. tilleggsskatt. De opptrer som næringsdrivende, mens de i realiteten er arbeidstakere. Når det gjelder skatt og avgift, er det veldig krevende for våre myndigheter, for her skal en bl.a. vurdere både norske skatteregler, hjemlandets skatteregler og skatteavtaler. Skattekontorene våre har bedt om forenklinger over lang tid, og så langt jeg vet, er det også nedsatt et utvalg som skulle avgitt sin innstilling i desember 2014, men som så langt jeg kjenner til, ennå ikke er avgitt. En må jo kunne si at regjering og finansdepartement ivrer ikke etter å komme videre og få seriøsitet i dette. Det er en stor unnlatelsessynd å ligge så langt etter. Jeg vil si det helt tydelig fra denne talerstolen at myndighetene ligger langt, langt etter i å sikre at seriøsitet blir ivaretatt. Hva er det så som er årsaken til dette? Jo, det er at lønns- og kostnadsnivået i Norge er langt høyere enn i mange land rundt oss, og vi har en lavere ledighet i Norge enn i land rundt oss. Det er mange dyktige folk fra EØS-området som vil arbeide i Norge på lønns- og arbeidsbetingelser som er langt dårligere enn det som er de norske lønns- og arbeidsbetingelsene. Dette gir oss en kjempemessig utfordring. Det gir et veldig stort omfang av arbeidsfolk i bygg- og anleggssektoren som er innleid gjennom Konsekvensen av det på bygg- og anleggssida er at det er en liten stab i entreprenørfirmaene som er fast ansatt, og det er vanskelig for dyktige norske ungdommer å få fast ansettelse. Det er et systematisk press på lønns- og arbeidsbetingelsene, og det er et systematisk press mot de firmaene som ønsker å tenke langsiktig. Bakgrunnen er sjølsagt at vi har fått en grunnleggende ubalanse i tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft, og det presses nedover. En skal ikke være spesielt dyktig i politikk for å forstå at høyrepartiene ønsker en slik systemendring. En ønsker fra Høyres, Fremskrittspartiets og Venstres side en slik maktforskyvning, sånn at en får endringer i arbeidslivet. Alle som forfekter den økonomiske liberalismen, er sjølsagt tilhenger av dette systemet. Så det er ikke så mye å hente fra de partiene når det gjelder å komme i front og i forkant og virkelig ta dette på alvor. Dette er saker som har vært drøftet i arbeids- og sosialkomiteen i flere sammenhenger. I den forbindelse ble det i Innst. 210 L for 2015–2016 fra Arbeiderpartiets side sagt at «det er grunnleggende feil at arbeid av fast karakter som tidligere er utført av fast ansatte, erstattes med innleid arbeidskraft fra bemanningsbyråer. Dette bidrar til økt negativ konkurranse hva gjelder arbeidstakers lønns- og arbeidsvilkår fordi bemanningsbyråer gjennomgående tilbyr sine ansatte langt lavere trygghet hva gjelder arbeidstid, lønn og stillingsbrøk. Midlertidig ansatte er i motsetning til innleide arbeidstakere tross alt ansatt». – Nei, unnskyld, dette ble feil, sitatet er ikke fra Arbeiderpartiet! Det er sånn at Arbeiderpartiet støttet det som var svakhetene ved det hele når det gjelder bemanningsbyråer, ikke interessert i å endre loven på det punktet som gikk på arbeidsmiljøloven § 14-12 andre ledd. Senterpartiet og SV var veldig opptatt av det for å redusere omfanget av bemanningsselskaper. Det som så har skjedd, er at det har kommet et svar fra statsråd Anniken Hauglie av 18. april som er meget interessant, som går på et spørsmål fra meg til statsråden om en oppheving av arbeidsmiljøloven § 14-12 andre ledd vil innebære et brudd med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Der svarer statsråden helt forbilledlig: «Etter mitt syn er svaret på representantens spørsmål nei.» Videre sier statsråden avslutningsvis: «Etter mitt syn ville heller ikke en eventuell opphevelse av § 14-12 andre ledd innebære et brudd med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Hovedbegrunnelsen for innretningen på innleiereglene vil være den samme som tidligere; å ha et høyt beskyttelsesnivå for faste ansettelser og topartsrelasjoner. Her er det nasjonale handlingsrommet som nevnt betydelig.» Dette er meget viktig. Dette er meget viktig fordi det statsråden nå sier, er at det er forenlig med EØS-avtalen å ta vekk § 14-12 andre ledd i arbeidsmiljøloven, noe som vil redusere hele dette problemet i betydelig grad. Det som da er den store utfordringa, er hvordan partiene stiller seg til det som statsråden her har svart. De partiene som ønsker denne systemendringa ved å satse på den økonomiske liberalismen, har jeg ikke så stor tro på vil gå inn for å støtte et nytt forslag om å oppheve denne lovparagrafen. Men det som blir det utfordrende, er: Hva skjer i Arbeiderpartiet? Vil Arbeiderpartiet nå se den praksis som utvikler seg i norsk arbeidsliv, som blir stadig mer uoversiktlig, hvor bemanningsselskapene og bemanningstankegangen er spydspissen i en utvikling som blir mer og mer krevende for myndigheter å kontrollere? Vil Arbeiderpartiet gå inn på det? være med på å stramme inn arbeidsmiljøloven, slik at vi reduserer omfanget av bemanningsselskaper? Jeg ser at Arbeiderpartiets leder skal ha ordet etterpå, og jeg vil utfordre Arbeiderpartiets leder til å svare på om en nå er kommet så langt i sin erkjennelse at vi må stramme inn ved å endre arbeidsmiljøloven, slik som jeg nå har referert til. Bygg og anlegg er
Det er

Men vi skal ikke være naive overfor de utfordringer organiserte kriminelle påfører av kostnader for samfunnet vårt, enten de er norske eller utenlandske aktører. Det må vi som samfunn møte med målrettede og nasjonale virkemidler for å stanse. Organisert kriminalitet har de siste årene etablert seg i byggenæringen. Bakgrunnen er høy omsetning og lav oppdagelsesrisiko. Ofte vanlige og seriøse firma, som skalkeskjul for kriminell virksomhet. Og ofte driver disse organiserte kriminelle økonomisk kriminalitet i byggenæringen i kombinasjon med narkotikaomsetning, prostitusjon, tvangsarbeid og andre kriminelle handlinger. De kriminelle i arbeidsmarkedet utnytter at deres aktivitet gjerne faller mellom flere etater. Det er vanskelig å avdekke omfanget av den kriminelle virksomheten uten omfattende kontroller og undersøkelser med samarbeid mellom etatene. De som ikke følger norsk lov, lager seg et handlingsrom driftsforutsetninger lovlige bedrifter ikke klarer å konkurrere med. Her er det derfor behov for et bredt sett tiltak for å få bukt med arbeidsmarkedskriminalitet. Det å forhindre kriminelle leverandører fra å få kontrakter er også et offentlig ansvar gjennom at det offentlige kjøper inn varer og tjenester for over 430 mrd. kr hvert år. Jeg vil her vise til at Stortinget nå behandler ny lov om offentlige anskaffelser. Jeg mener også at offentlige innkjøpere må bli bedre. Det er 427 ulike regimer for dette i Kommune-Norge, og noen er flinkere enn andre. Jeg mener en kommunereform som styrker fagmiljøene, også vil komme dette området til det gode. Så hviler det et stort ansvar på bedriftene, som har mange underleverandører. Her vil jeg gi ros til Byggenæringens Landsforening, som har utarbeidet en håndbok til hjelp for bedrifter i deres arbeid med å velge seriøse aktører. Byggenæringen anbefaler at aktsomhetsnivået ved kontrahering av samarbeidspartnere underveis i prosjektet og ved oppgjør av kontrakt må heves. Et tema som er løftet fram, er antall leverandører i kjeden. Regjeringen har i sitt lovforslag om offentlige anskaffelser fremmet forslag om begrensning av antall ledd i leverandørkjeden. Det er ikke dokumentert at begrensninger i antall ledd i leverandørkjeden vil føre til mindre kriminalitet i arbeidslivet. Det kan tvert imot føre til at vi får skjulte kjeder og triksing, og med det resultat at kun store leverandører overlever. Venstre vil derfor legge inn forslag til skjerpede krav til sporbarhet i leverandørkjeden for å øke kontrollen med underleverandørene. Det finnes allerede gode tjenester på markedet, som bl.a. Oslo kommune er godt i gang med å teste ut. Det har også vært et for stort fokus på prissetting i offentlige anskaffelser. Det er viktig at man får kostnadskontroll offentlig sektor, men det må sikres at kontraktene også ivaretar andre kvaliteter, ikke bare laveste pris. Man må sikre at noen fundamentale ting er på plass i et tilbud, som miljø, at det kan brukes lærlinger, og at leverandører er godkjente lærebedrifter. Jeg vil også særlig nevne helse, miljø og sikkerhet. Jeg tror byggenæringen har en del å lære av vår olje- og gassindustri. Det skjer for mange tragiske hendelser med personskader i byggenæringen. På Vestlandet har vi nå opplevd oppsigelser i olje- og gassrelatert industri, samtidig som det bygges store infrastrukturprosjekter på vei og bane. En trend vi ser, er at oppsagte HMS-ingeniører fra olje- og gassindustrien nå får arbeid i byggenæringen. Dette vil bidra til en statusheving for HMS i næringen. Det er viktig at offentlige innkjøpere også verdsetter dette i sin vurdering av anbud. Myndighetene kan også gjøre det lettere å være seriøs, samtidig som kontrollen av bransjen må være tverrsektoriell, hvor flere etater jobber sammen for å avdekke kriminalitet. Risikoen for å bli tatt må økes betraktelig. Jeg vil her særskilt nevne Bygningsgruppen Bergen med 300 bedrifter, som har utviklet et samarbeid med Skatt vest, Kemneren i Bergen og Arbeidstilsynet. Her er det bl.a. opprettet en tipstelefon. Dette er et samarbeid som er kopiert og videreutviklet også i andre byer og på andre plasser. Det finnes ingen offisielle anslag for men skattedirektør Holte sa i et intervju med Aftenposten i november 2014 at det kunne være så mye som hver tredje krone i byggenæringen som var svart. Svarte penger er ofte kontanter, siden de er vanskelig å spore. Mange bruker også svarte penger til å pusse opp hus og på den måten hvitvaske pengene ved salg av bolig. På ett område peker næringen selv på at det er mye svart arbeid, nemlig rehabilitering, oppussing og I 2016 forventes det at det brukes over 70 mrd. kr på dette. Venstre har i vårt alternative statsbudsjett foreslått et skattefradrag for energieffektiviseringstiltak i egen bolig, for inntil 50 000 kr per bolig. Dette vil være et konkret tiltak som vil stimulere den seriøse delen av næringen. Venstre er også skuffet over at regjeringspartiene ikke vil gå med på en slik løsning, noe som ville fremmet seriøse aktører i byggenæringen, samtidig som man ville stimulert til det grønne skiftet gjennom innkjøpspolitikk. Et slikt skattefradrag som Venstre foreslo i vårt budsjettforslag ville også sette fart på energieffektiviseringen og virke som et målrettet og fornuftig tiltak i en tid med økende ledighet. Det er et komplekst tema komiteen løfter fram i dag, og det krever en rekke tiltak og virkemidler. Vi er avhengig av at næringen selv tar tak i dette, samarbeid mellom næring og stat og bedre koordinering av statlige etaters kontroll og tilsyn. Jeg opplever at den seriøse delen av næringen tar disse spørsmålene svært alvorlig. Det er derfor jeg tror på at vi i fellesskap kan løse dem. Så er det litt spesielt når foregående taler Lundteigen velger å mene at fleksibiliteten i arbeidsmarkedet er et problem. Det synes jeg er en svært spesiell inngang til debatten. Det kan godt hende han sågar mener at mulighetene og fleksibiliteten i systemene som gjør at ungdom kommer inn i arbeidsmarkedet, er feil. deler jeg nok ikke representanten Lundteigen sitt svar. Kanskje representanten fra Venstre da kunne ta seg bryet med å lese brevet fra byggenæringen, som påpeker nettopp at det er atypiske ansettelsesforhold og nye selskapsstrukturer som utvikler næringen i feil retning. Det står i brevet vi har fått 2. mai 2016. Det at man utvikler et arbeidsmarked med mye løsere ansettelsesforhold, der det er mye innleie, der det er uklare selskapsstrukturer og selskaper som oppstår og nedlegges etter som krav stilles til dem, er et stort problem og en medvirkende årsak. Men det er riktig, som flere har sagt, svart arbeid og sosial dumping kom ikke til landet med polakkene. Det har vært her hele tida, men det har økt fordi man har fått økt arbeidsinnvandring. Det vi snakker om i dag, er et alvorlig og stort problem fordi det truer finansieringen av fellesskapet og velferden, og det truer lønns- og arbeidsvilkår og maktfordelingen i arbeidsmarkedet, som er den viktigste makt- og pengefordelingsmekanismen vi har hatt i dette landet, og som har vært med på å sivilisere landet og gjøre at det er mulig å leve av og med jobben sin. Det er det som er truet nå. Det vi snakker om i dag, er ikke hele næringen. Det er privatmarkedet, og der er det verre. Vi kan sette inn mange tiltak mot de offentlige innkjøperne og de store bedriftene. Der mangler det også mye på gjennomføring, og f.eks. Fremskrittspartiet – og lederen i kommunalkomiteen, som nå forlater rommet – var oppe og etterlyste: Hvorfor gjorde man ikke dette da de rød-grønne satt i regjering? Jo, vi gjorde mye, og systematisk stemte Fremskrittspartiet imot de tiltakene som virker. Det er å si om den saken. Men det som vi nå snakker om, er privatmarkedet, og der har bl.a. Fafo utarbeidet en rapport fra 2014, som går igjennom privatmarkedet og peker på akkurat det samme som byggenæringen sjøl sier, nemlig at det er større problemer med kontroll og seriøsitet i det private markedet. Sjøl har jeg hatt gleden av å ha en rekke møter med Oslo Håndverks- og Industriforening gjennom mange år, som forteller at privatmarkedet er helt borte, det er helt umulig å fordi det er overtatt av småbedrifter som ikke er registrert noe sted. Det går inn på et annet problem her, og det er at det norske privatmarkedet er veldig stort. Det er fordi folk i Norge stort sett har god råd, og vi pusser opp og er glad i hjemmet vårt, det er liksom det prosjektet mange har å holde på med. Men viljen til å betale for ærlig arbeid som andre utfører, har blitt mindre, og det er et av problemene her. Det man ser i det offentlige og i det store profesjonelle markedet, er at man presser priser, sånn som næringen sjøl sier. Men det skjer også i privatmarkedet at man er villig til å se gjennom fingrene med det man tjener på på kort sikt. Veldig mange kjøper da også katta i sekken, selvfølgelig, når de oppdager at på baderommet er det REMA 1000-poser som Da sitter man selvfølgelig med skjegget i postkassa. Men problemet her er at man river grunnlaget unna alle de seriøse små håndverkerbedriftene som skulle ha disse jobbene, utføre skikkelig arbeid og samtidig bidra til fellesskapet gjennom skatter og avgifter. Jeg synes det er litt alvorlig regjeringen somler så mye med dette. Og det er altså ikke opposisjonen som sier at regjeringen somler. Det er byggenæringen som sier at regjeringen somler, det er den som etterlyser at man nå gjennomfører hele pakka når det gjelder seriøsitet i byggebransjen. Der er det modul 2 som er spesielt nevnt, med virkemidler for det som i dag går under radaren. Det gjelder også innføring av utvidet HMS-kort og utvikling av et nasjonalt kvalitetsregister. Så det er grunn til å øke farten i dette arbeidet, og det er også grunn til å se på hva man kan plukke opp av de forslagene som også lå i Fafo-rapporten fra 2014. Til slutt: Det er riktig at kommunene kan og skal drive kontrollarbeid på dette. Men spørsmålet er: Hva slags kapasitet forutsetter vi også legges inn i budsjettene fra Stortinget for å gjøre det mulig? For det er en voldsom kontrolloppgave, som også har noen juridiske problemer ved seg, fordi det er inne i private hjem. Byggenæringen er en stor og viktig næring med både små og store aktører. Jeg kjenner næringen som i hovedsak kompetent og seriøs. Samtidig står næringen overfor store utfordringer. Useriøse foretak ødelegger for de seriøse. Svart arbeid og ulovlige eller uheldige lønns- og arbeidsbetingelser er problem som rammer arbeidstakerne, seriøse bedrifter og oss som samfunn. Skattemyndighetene, påtalemyndighetene og næringen selv er enige om at problemet er omfattende. Slik useriøs virksomhet skaper en rekke problemer. Ved siden av skattetapet og presset på arbeidsbetingelsene til de ansatte vil jeg også peke på at useriøse foretak presser ut foretak som driver seriøst. Når norske krav ikke følges, kan de useriøse levere anbud som er lavere, og seriøse foretak merker at de ikke når opp i konkurransen. Dette er et problem både i Årsaken til at problemet er økende, er sammensatt. Et utgangspunkt er at det er flere utenlandske konkurrenter i markedet. Det er også påpekt fra produktivitetskommisjonen. Regjeringen tar på alvor de utfordringene norsk byggenæring og arbeidslivet står overfor når det gjelder konkurransen med useriøse foretak. Regjeringen la derfor i januar 2015 frem en strategi mot med en rekke samordnede tiltak. Vi samarbeider godt med partene i arbeidslivet og med næringene. Som en del av arbeidet med strategien ba jeg i 2014 om forslag fra byggenæringen. Resultatet var rapporten Enkelt å være seriøs. Her foreslo byggenæringen en rekke tiltak. Noen av disse tiltakene er allerede fulgt opp, andre er under vurdering. Flere tiltak er tatt inn i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Et viktig tiltak som er gjennomført, er at det fra januar i år ble innført krav til seriøsitet for foretak som søker om såkalt sentral godkjenning. Den nye ordningen skal gjøre det enklere for foretak å vise at de er seriøse, og enklere for oss forbrukere å velge seriøst. Sentral godkjenning vil ikke lenger bare vise om foretakene er kvalifisert. Det vil også vise om de betaler skatt og avgift, hvor mange ansatte de har meldt inn i Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret, og de skal levere HMS-erklæring. Det vil også bli mulig å synliggjøre om foretakene er godkjent som opplæringsbedrift, og Dette gir de 15 000 sentralt godkjente foretakene et fortrinn i konkurransen med foretak som ikke har sentral godkjenning. Parallelt har Direktoratet for byggkvalitet skjerpet inn tilsynet med sentralt godkjente foretak. Et annet viktig tiltak vi vurderer, er hva som kan gjøre det enklere for underleverandører og foretak i ROT-markedet å vise at de er seriøse. Det er viktig å stille tydelige krav til bedriftene, men det må også bli enklere for forbrukerne. Derfor har vi i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet gitt Forbrukerrådet i oppdrag å opprette en håndverkerportal. Denne vil gi et enkelt verktøy for forbrukerne til å finne tryggere foretak til oppussingsarbeider. For foretak i ROT-markedet og underleverandører har byggenæringen i rapporten Enkelt å være seriøs foreslått en såkalt modul 2 i den sentrale godkjenningsordningen. Dette forslaget ba kommunal- og forvaltningskomiteen departementet om å vurdere som en alternativ løsning. Vi venter nå på en utredning fra Implement Consulting Group, som leveres noe forsinket, men som vil komme i løpet av de nærmeste dagene. Utredningen skal vurdere modul 2 og andre mulige løsninger. I tråd med kommunal- og forvaltningskomiteens ønsker i Innst. 359 L for 2014–2015 vurderer vi alle virkemidlene som ble foreslått av byggenæringen i Enkelt å være seriøs. For eksempel arbeides det med store forbedringer i ordningen med HMS-kort, som arbeids- og sosialministeren vil komme nærmere inn på. Jeg vil benytte anledningen til å peke på at alle forslagene fra byggenæringen vurderes nøye. Ikke alle kan eller bør følges, i hvert fall ikke i den formen de har i rapporten. Når det gjelder arbeidet mot useriøse foretak, er det også viktig å ha i bakhodet at løsningen ikke nødvendigvis er det samme for problemet med underleverandører og problemer i ROT-markedet. Innenfor mitt eget ansvarsområde vil jeg peke på at Statsbygg nå har begrenset antall underleverandører i sine prosjekter, slik at deres entrepriser blir mer oversiktlige.
Det blir replikkordskifte. Jeg vil takke statsråden for et godt innlegg. Vi er jo i hovedsak enige, og jeg synes statsråden beskriver godt problemene der ute, men det store spørsmålet gjenstår. Det er om regjeringen vil følge opp med en ny sentral godkjenning som gjør det attraktivt for bedriftene å bli med. Da en samlet byggenæring sendte et høringssvar i mai i fjor, skrev de følgende: «Skal tiltakene få ønsket effekt er det nødvendig å se tiltakene i sammenheng. Mer og bedre samordning av tilsyn og kontroll er viktig, men uten en helhetlig ny sentral godkjenning og de tilhørende tiltak, slik vi har foreslått, vil en ikke kunne nå målet om mer seriøsitet.» Da er mitt spørsmål: Har statsråden en ambisjon om at ny sentral godkjenning skal inneholde også en godkjenningsmodul for ROT- og underleverandørmarkedet? Jeg forstår godt at næringen ønsker at deres forslag skal gjennomføres som en blåkopi. Men det er mitt ansvar som statsråd å sørge for at alle forslagene har en god faglig begrunnelse, og at vi søker de mest effektive tiltakene. Det er bakgrunnen for at vi nå har bedt om en egen vurdering av modul 2 for å se hva som er det mest effektive tiltaket. Den rapporten kommer ‒ som jeg pekte på ‒ i løpet av noen få dager. Så vil vi foreta en rask politisk og faglig vurdering om hvordan vi vil følge det opp. Det må også vises til at forslagene til modul 3, om et forslag om en godkjenningsordning for foretak som utarbeider private planforslag, følges nå opp av departementet og kommer til Stortinget før sommeren. Modul 4, om forslaget om å synliggjøre foretak som godkjent opplæringsbedrift, er allerede innført. Så vi jobber systematisk med forslagene for å finne de mest effektive, og så iverksettes det.
Det er veldig bra at en del av disse andre modulene nå kommer på plass. Det er viktig og bra, men det er jo slik at modul 2, som den er kalt, er selve nøkkelen til å utløse de store forenklingstiltakene for de seriøse bedriftene. Det er jo de seriøse aktørene som har vært veldig Jeg har forståelse for at ting tar tid å utrede, at detaljer skal på plass, og at en kanskje ikke går for en blåkopi. Men spørsmålet mitt var om statsråden og denne regjeringen har som ambisjon å innføre en godkjenningsordning for ROT- og underentreprenørmarkedet, som vi vet er noe av det største problemet. Min ambisjon er å iverksette effektive tiltak som virker. Derfor vurderer vi nå oppfølgingen av modul 2. Jeg er helt overbevist om at representanten ville ha kritisert statsråden hvis vi hadde iverksatt forslaget uten at det hadde vært skikkelig faglig vurdert. Det er helt avgjørende. Vi må sikre oss at forslaget bidrar til en forenkling, og ikke en byråkratisering. Derfor ligger det på mine skuldre å sørge for at vi får gode faglige vurderinger, og at vi iverksetter tiltak som virker. Jeg vil også vise til at vi nå i forslaget om endring av reglene for offentlige anskaffelser også foretar endringer når det gjelder antall underleverandører. Det er også et tiltak som virker. Dette er ‒ som representanten Lundteigen var inne på ‒ et komplisert område, hvor man må ha tiltak som ses i sammenheng, men som også virker effektivt
Det er bra at regjeringen vil innføre tiltak som virker, og jeg har forståelse for at man må utrede det. Men det er altså to år siden byggenæringen la fram disse ønskene. Det er ett år siden Stortinget understreket behovet for at disse tiltakene ble sett i sammenheng. Da har jeg et spørsmål til til statsråden. Det gjelder registreringsordningen på Se eiendom, som også byggenæringen har foreslått, nettopp for å gjøre det mulig å ha tilsyn med de tiltakene som ikke er søknadspliktige. Det skulle utredes i løpet av 2016, bestilte kommunalkomiteen for et år siden. Det hadde vært fint om statsråden kunne si noe om framgangen der. Er det utredninger på gang, og har man en ambisjon om også å innføre den type registreringsordning som gjør at tilsynsmyndighetene faktisk vet hva som skjer? La meg først understreke at det er to år siden jeg ba næringen komme med innspill. Rapporten Enkelt å være seriøs kom etter at jeg tok initiativ overfor byggenæringen, og jeg ga også næringen honnør for at man gikk samlet. Det er første gang, som de understreket selv, at næringen sto samlet om forslag. Så følger vi forslagene opp, ett etter ett, men vi må hele tiden søke etter de mest effektive tiltakene. Når det gjelder forslaget om registreringsplikt for arbeider med en verdi over ½ G, er det ‒ som representanten også peker på ‒ et forslag som vi vurderer. Da ønsker vi også å se på om det skal skje i regi av det offentlige eller i privat regi. Vi er ikke overbevist om at matrikkelen Se eiendom er det riktige stedet å gjøre det. Dette er felleskomponenter som kan brukes, men ikke nødvendigvis stedet hvor det bør registreres. Som jeg sa i mitt innlegg, ordet «seriøst» er et veldig krevende ord. Motsetningen til seriøst er useriøst, og mitt første spørsmål til statsråden er: Er det sånn at useriøst er det samme som å drive ulovlig? Da kan vi få kantet opp litt. Så til det neste. Statsråden sier at en skal ha mer tilsyn og kontroll, og jeg er enig i at det er viktig, men det er vel sånn at kjeltringen er dyktigere enn den som kontrollerer. Vi har erfaring med at kjeltringen er mer kreativ, sånn at en hele tida blir på etterskudd, og det fører til et enormt byråkrati og en enorm kostnad for det offentlige stadig å kontrollere og drive med tilsyn. Det som er det vanlige, er å ta ondet ved roten; endre rammebetingelsene, sånn at man slipper drive så mye med kontroll og tilsyn. Mitt siste spørsmål er: Er det regjeringas vurdering at det er en fordel med færre ansatte i bemanningsbyråene – noe som vil lette situasjonen? Representanten vil vite at stortingsflertallet ønsker fleksibilitet i arbeidslivet. Det er viktig at vi har god konkurranse, det er bra for forbrukerne. Samtidig må vi ha effektive tiltak for å bekjempe de useriøse. Jeg kan være enig med representanten Lundteigen i at det er krevende å gi en helt konsis definisjon på seriøst selskap, men la meg si at seriøse selskaper betaler skatt, de betaler avgifter, de forholder seg til lover og regler og de standarder som vi har i Norge. Useriøse selskaper, som tøyer regelverket, bidrar til å presse de seriøse ut. Så må det også bli enklere for oss som forbrukere å velge seriøse selskaper. Derfor utvikler vi nå sammen med Forbrukerrådet en håndverkerportal. Og når det gjelder tilsyn, har vi allerede fått på plass et koordinert og samordnet tilsyn fra Nav, politiet, skatteetaten og Arbeidstilsynet. Det er effektivt når etatene samarbeider om tilsynsoppgavene. Jeg takker for svaret. Jeg forsto det sånn at et seriøst selskap er et som holder seg innenfor lovverket. Et useriøst selskap er et som holder seg utenfor. Det betyr at vi egentlig burde snakke om lovlige selskaper – eller lovlig virksomhet og ulovlig virksomhet. Det hadde vært enklere å praktisere. Så til fleksibilitet i arbeidslivet. Vi har bestandig hatt fleksibilitet i arbeidslivet og i næringslivet. Man er nødt til å ha det. Derfor har vi midlertidige ansettelser for å ta arbeidstopper. Der kan man bruke bemanningsselskaper på samme måte som man bruker andre midlertidig ansatte. Men det som er den store utfordringa, er at man kan bruke bemanningsselskaper til å utføre ordinært arbeid, noe som fører til at det er bemanningsselskapene som snart utgjør hovedtyngden av arbeidskrafta i bygg- og anleggsvirksomheten for sentrale selskaper. Ser ikke statsråden det som en utfordring?
Jeg mener at det er en fordel at flest mulig er fast ansatt. Det som var en utfordring under det rød-grønne regimet, var bl.a. at man hadde så sterke begrensninger på midlertidige ansettelser at bemanningsfirmaene vokste frem og også økte i utbredelse. For oss er det viktig at vi har fast ansettelse som hovedregel, men vi trenger også en fleksibilitet i For oss er det viktig at vi har fast ansettelse som hovedregel, men vi trenger også en fleksibilitet i arbeidsmarkedet, og der bidrar både muligheten for begrenset midlertidig ansettelse og bemanningsbyråene. Hvordan arbeidslivet er strukturert, har sjølsagt mye å si, men det som denne rapporten, «Seriøsitet i byggebransjen», påpeker, er at det er godkjenningsordninger i ROT- og underleverandørmarkedet som på en måte er nøkkelen, altså at man skal kunne ha godkjente bedrifter. Sjøl sier næringen at de er veldig engstelige for at godkjenning av foretak uten ansvarsrett skal reduseres til en frivillig innleggelse i en forbrukerportal, uten at det er en godkjenning som legges til grunn. Det er nettopp godkjenningen av at dette er en seriøs bedrift, som er viktig. Det er viktig med enkle forenklinger og avbyråkratisering, men av og til er det nødvendig med noen slike ordninger for at det ikke skal bli useriøsitet og sosial dumping. Og da er jo spørsmålet hva statsråden synes er verst – at det er noen byråkrater som ordner godkjenning, eller at dette useriøse markedet vokser. Jeg mener at vi må få til begge deler vi må få til forenkling, samtidig som vi får til ordninger som bidrar til mer seriøsitet i næringen. Derfor er det ikke mulig bare å ta en blåkopi av forslag fra næringen. Vi må også vurdere på faglig grunnlag om dette er den beste og mest effektive løsningen. Jeg synes det er flott at Stortinget er utålmodig når det gjelder dette, men jeg er overbevist om at hadde vi unnlatt å foreta grundige, skikkelige vurderinger på dette området, så hadde det også blitt kritisert. Så her må vi nå vente på at denne utredningen kommer – den kommer i løpet av noen få dager – og så vil vi foreta en vurdering av hvilke forslag som er effektive i kampen mot de useriøse i

Om lag 220 000 er sysselsatt i bygg og anlegg, i tillegg kommer innleide arbeidstakere og selvstendige. Virksomhetene gir opplæring til om lag 5 000 ungdommer som har valgt å bli lærlinger innen bygg- og anleggsfag. Arbeidsvilkårene i næringen har stor betydning for mange mennesker. Men utfordringene er betydelige, som flere har vært inne på her i dag. Årlig skjer det i gjennomsnitt tolv dødsulykker i næringen. Risikoen for skader og ulykker er om lag 50 pst. høyere i bygg og anlegg enn i arbeidslivet totalt sett. Det er unge og utenlandske arbeidstakere som er mest utsatt. Politiet rapporterer at kriminelle aktører etablerer virksomhet i deler av byggenæringen. Fordi mange kunder aksepterer svart økonomi, er det store muligheter for å drive denne type konkurransevridende virksomhet. Heldigvis uttrykker byggenæringen selv at det er et stort behov for kontroll og samarbeid med politiet og kontrolletatene. Gjennom mer enn et tiår har Byggenæringens Landsforening hatt dialog med etatene gjennom sitt seriøsitetsforum. For noen år siden tok næringen initiativ til et samarbeid for å gjøre noe med antallet skader og ulykker. Det har resultert i et HMS-samarbeid om et charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring. Arbeidstilsynet deltar aktivt i oppfølgingen. Regjeringen samarbeider med partene i arbeidslivet om oppfølging av strategien mot arbeidslivskriminalitet. Arbeidstilsynet, Nav, politiet og skatteetaten har opprettet fem samlokaliserte enheter rundt om i landet. Kontroller i byggenæringen har vært prioritert. Arbeidstilsynet gjennomførte samlet sett over 5 000 tilsyn i næringen. I nær halvparten av tilsynene der lønnsforhold ble kontrollert, ble det avdekket at det ikke ble betalt ut lønn i henhold til nivået i allmenngjorte tariffavtaler. Skatteetaten rapporterer at bygge- og anleggsnæringen er den bransjen med størst andel anmeldelser, skjerpet tilleggsskatt og størst avdekking av brudd på regler om skatter og avgifter. En annen del av innsatsen mot arbeidslivskriminalitet gjelder offentlige anskaffelser. Dersom Stortinget vedtar regjeringens foreslåtte lovendringer, vil det bli innført bestemmelser som begrenser kontraktskjeden til to nivåer av underleverandører ved bygg- og anleggskontrakter til det offentlige. Det vil også bli innført krav om bruk av lærlinger på konkrete prosjekter, som også kommunalministeren var innom. Det skal stilles samme krav til norske og utenlandske leverandører. Alle som utfører arbeid i bygge- og anleggsbransjen, må bære såkalt HMS-kort, som flere har vært inne på i dag. Arbeids- og sosialdepartementet er i disse dager i ferd med å styrke HMS-kortordningen. Dette er endringer som byggenæringen har vært opptatt av, og endringene er en del av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Vi innfører en ordning hvor de lokale HMS-aktørene på byggeplassen kan foreta såkalt sanntidskontroll av HMS-kort. Dette vil gi aktørene oppdatert informasjon fra offentlige registre om HMS-kortenes gyldighet. Denne endringen innebærer en forsterkning av samarbeidet mellom myndighetene og partene i byggenæringen for å sikre seriøsitet og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Avslutningsvis vil jeg igjen understreke alvoret i de utfordringer en finner i deler av byggenæringen. Det er først og fremst et ansvar for oppdragsgivere og arbeidsgivere å sørge for at det Oppdragsgivere har plikt til å påse at lønns- og arbeidsvilkårene i byggenæringen overholdes. Byggherren har plikt til å informere sine leverandører om hvilke krav som gjelder. Det er ingenting som undergraver en seriøs byggenæring sterkere enn oppdragsgivere som ignorer lovpålagte krav og hensynet til anstendige arbeidsforhold i sin jakt etter billigst mulig leveranser.

og muligheten for å drive utvidet tilsyn. Man etterspør også flere elementer hvor statsråden nå kvitterer ut lesbarhet i sanntid, men også at det skal inneholde kvalifikasjonskrav, være personlig og at det skal være en forutsetning for en sentral godkjenning. Og når kortene er på plass, og sentral godkjenning er gitt, er den store gulroten for næringen at man kan anse at påseplikt og kontrollplikt er gjennomført. Er statsråden enig i at dette ville representere en forenkling, og synes hun det er tanker det er verdt å forfølge i det videre arbeidet? Nå svarte kommunal- og moderniseringsministeren på det som angikk de sentrale godkjenningsordningene. Når det gjelder endringene i HMS-kort-ordningen, så er det, som jeg sa i mitt innlegg, noe det jobbes med. Det testes ut i disse i løpet av mai måned. Det betyr at alle som er i bygg- og anleggsbransjen, får HMS-kort som de skal bære, og som gir korrekte opplysninger her og nå. De skal komme i løpet av mai måned etter at de nå er ferdig testet
her er mange elementer nært knyttet sammen, og de går på tvers av statsrådenes ansvarsområde. Det er spesifikt bedt om at HMS-kortet også skal inneholde kvalifikasjoner for den enkelte arbeidstaker, og at bedrifter som skal være med i modul 2, ROT- og underleverandørmarkedet, må ha arbeidstakere med godkjente kvalifikasjoner for å få være en del av det eventuelt nye sentrale godkjenningsregelverket. Gjennom å ha gjort de kontrollene på forhånd kan de anse en del ting utkvittert, nemlig påseplikt og kontraktplikt, og det er det jeg spør statsråden om: Kan hun tenke seg å innlemme enda flere elementer i HMS-kortet, slik at det kan fungere som en utløsende nøkkel også for et sentralt
Det er vanskelig på stående fot å svare om eventuelle nye elementer som skal inn i det HMS-kortet, men for å få utstedt HMS-kort i dag skal virksomhetene og arbeidstakerne være registrert i Enhetsregisteret, Folkeregisteret, Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, Bemanningsforetaksregisteret og Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Så det er relativt mye som skal inn i det kortet i dag, og om man også skal få inn arbeidstakers kvalifikasjoner, kan jeg ikke svare på på stående fot. Men det viktigste er at det kortet er uttømmende, eller at det er så uttømmende som nødvendig, for at man kan drive god kontroll av de arbeidstakerne som er på den enkelte byggeplass.
Dette kortet er jo også sentralt for det som byggenæringen som helhet ønsker å oppnå, og at det inneholder kvalifikasjoner, og også at det kan være personlig og følge arbeidstakeren, er viktig, nettopp fordi bedriften da kan vise til at den har en kvalifisert arbeidstaker, som er godkjent sentralt og derfor er med i det sentrale godkjenningsregisteret. Gjennom å ha gjort disse tingene på forhånd får man ta del i en stor forenkling, nemlig at man kan anse påseplikt og kontrollplikt som gjennomført. Slik det beskrives for oss, er dette den store gulroten for næringen til å være med på dette, og en stor motivator for å få flere inn og ønske at flere skal være med. Statsråden har jo vist til flere elementer som er med i kortet allerede, men jeg vil bare oppfordre til å ta dette med i det videre arbeidet. Når det gjelder dette med kvalifikasjoner, er jeg kjent med at dette er noe som næringen selv har vært opptatt av. Dette ligger under et annet departement, og er under utredning der, så det er derfor jeg sier at jeg skal være forsiktig med å konkludere med det nå. Dette er i så fall noe som Kunnskapsdepartementet vil komme tilbake til når de har utredet dette videre.

men jeg synes at statsråden legger for mye ansvar over på arbeidsgiver og oppdragsgiver, for det som vel er et faktum, er at regelverket er så komplisert og har så store muligheter for omgåelser at de firmaene som her blir satt til å praktisere det, ikke vet sin arme råd. Burde det ikke være en prioritert oppgave for regjeringa å forenkle når det gjelder omgåelser? Utenlandske næringsdrivende kan registrere seg som sjølstendig næringsdrivende, få D-nummer i Brønnøysundregistrene uten å møte fram. Er ikke det opplagte ting som må rettes opp? Jeg vil på det sterkeste ta avstand fra at man ikke tar disse problemstillingene på alvor. Det gjør vi i aller høyeste grad. Vi har bl.a. utarbeidet en offensiv strategi mot som skal ta de som er useriøse – det være seg de nasjonale aktørene eller de internasjonale aktørene som kommer til Norge. Jeg står fast ved at det er aktørene selv som har et hovedansvar for å drive seriøst og for å påse at lover og regler følges. Ja, det kan godt tenkes at regelverket er komplisert, at det skal forenkles ytterligere. Vi jobber også med forenkling, men kjennetegnet ved mange av de useriøse er vel ikke at regelverket er for komplisert, men at de bevisst unnlater å følge det, og det er det vi ønsker å slå ned på. Ordet «strategi» har blitt et mantra i denne salen. Det brukes hele tida, det brukes uten at en definerer hva strategi er. En demokratisk strategi er en felles virkelighetsforståelse, det er ikke noe mer. Det som trengs, er tiltak, det trengs handling, og jeg vil si at etter dette svaret synes jeg det blir for lite ansvar på det offentlige – som legger til rette for regelverk som er og jeg vil si at etter dette svaret synes jeg det blir for lite ansvar på det offentlige – som legger til rette for regelverk som er enkle og kontrollerbare. Det kommer rapporter som vil vise at dette er et kjempeproblem ved at det er så krevende også for statens egne etater å få inn skatt og avgift. kan private virksomheter eller private oppdragsgivere greie å gjøre dette når staten sjøl ikke greier å få inn skatt og avgift i henhold til skatteavtaler, norsk skattelov og utenlandsk skattelov? Er ikke det en erkjennelse som regjeringa nå må ta inn over seg med det største alvor? Hovedtilnærmingen til regjeringen i innsatsen mot vanskeligere for dem som med vitende og vilje bryter loven, og enklere for dem som ønsker å være seriøse. Etatene som samarbeider mot arbeidslivskriminalitet, har i stor grad også fulgt opp privatmarkedet. Et eksempel: Den samlokaliserte enheten i Stavanger har bidratt til at 24 kriminelle aktører har mistet muligheten til å drive. Jeg vet at i Trondheim forbereder man seg nå på inntog av useriøse steinleggere, som har vært et problem der. Man vet at de kommer med sommeren, og den samlokaliserte enheten ruster seg nå mot det. Vi vil gjøre det lettere for forbrukere å finne seriøse aktører gjennom det som kommunalministeren nevnte, etablering av en Det er også satt i gang en utredning om at systemet med skatteattest kan bedres, og også at skatteattestene blir gyldige i sanntid. Så det gjøres en rekke tiltak som skal gjøre det enklere for forbrukerne og myndighetene å ta de useriøse.
Statsråden nevnte lærlinger og flere utfordringer i bygge- og anleggsbransjen i sitt innlegg. Da vil jeg minne om at i forrige uke stemte regjeringspartiene og Venstre ned et forslag fra SV om å legge Telemarks-modellen til grunn for offentlige anskaffelser. Den ville sikret at det ble stilt krav om at bedrifter som konkurrerer om offentlige oppdrag, også var pålagt å ha lærlinger. Som sagt stemte regjeringspartiene og Venstre ned forslaget. Hvorfor vil ikke statsråden stille klare krav til at bedrifter som får offentlige oppdrag med offentlige midler, skal ha lærlinger og på den måten sikre seriøsitet og en framtid for faget? Nå har regjeringen allerede foreslått for Stortinget endringer i anskaffelsesregelverket som stiller krav til, som jeg nevnte, antall ledd i kontraktkjeden – for at man skal ha lettere og krav til bruk av lærlinger ved offentlige prosjekter. Det er nettopp fordi man ønsker å bruke den innkjøpsmakten man har, til å tvinge gjennom bruk av lærlinger. Det vet vi vil favorisere de seriøse, og det vil svekke muligheten for de useriøse. Dette er initiativ som kommuner har tatt – Telemark er ett fylke, Oslo har hatt det samme i et per år. Årsaken er nettopp, som jeg sa, at man ønsker å bruke sin forbrukermakt til å stille krav om lærlinger, og at det skal favorisere de seriøse. Dette er noe regjeringen allerede gjør. Det ligger så vidt jeg vet, til behandling i Stortinget, og jeg regner med full tilslutning fra Stortinget. Replikkordskiftet er omme. Bygg- og anleggsnæringen er viktig for Norge, både når det gjelder verdiskaping og – ikke minst – sysselsetting. Det er denne næringen som fysisk bygger Norge – som bygger veier, boliger og skoler. Vi er avhengige av at den kan levere velfungerende bygg og infrastruktur til bedrifter, offentlige virksomheter og privatpersoner, kort sagt at alt den bygger, er bærekraftig, står seg over tid og er av høy kvalitet. Vi vet at denne næringen kommer til å bli utrolig viktig for oss i årene som kommer. Vi blir flere eldre, vi blir flere mennesker i landet, flere bor i by, og flere flyktninger skal bosettes. Alt vi skal bygge i dette landet, skal skje innenfor rammer som klimaet tåler. Det kommer til å stille krav til oss. Da er tegnene vi ser i dette markedet, vi oss ikke på en slik måte at vi setter ufaglærte til å operere pasientene for deretter å la kirurgene kontrollere resultatet. Vi satser heller ikke på å effektivisere ved å oppmuntre til et kappløp mot bunnen på arbeidsforhold og løsninger. Og vi sløser ikke bort anselige summer på arbeid som må gjøres om igjen, og som det aldri betales skatt av. Likevel er det langs disse linjer vi nå ser utviklingen gå i bygg- og anleggsnæringen. Næringen har selv ropt varsko de siste årene, og den sier at utviklingen fortsetter å gå i gal retning. Anslagene viser at vi kan mangle nesten 100 000 fagarbeidere om 20 år. Hadde dette vært innen faget medisin, hadde vi for lengst ropt nasjonal alarm, og vi ville ha handlet langs mange akser. Når vi nå skal bygge Norge, trenger vi flere dyktige fagarbeidere. Da må vi gjøre mye mer for å bekjempe sosial dumping, svart økonomi og kriminelle aktører enn hva denne regjeringen nå gjør i praksis. Det handler om hvilke signaler som går til unge mennesker om hvilke karrierevalg de skal gjøre i livet sitt. Det er sterke krefter som presser på for kutt i lønninger, svekkede standarder, svakere rettigheter og mer midlertidighet. De useriøse aktørene har flere ganger vist at de er raske til å tilpasse seg i et slikt marked. Derfor trenger vi en stadig pågående og aktiv innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, og vi trenger å styrke førstelinjeforsvaret vårt. Det forsvarsverket heter et seriøst trepartssamarbeid, ikke minst en sterk og tilstedeværende fagbevegelse – en fagbevegelse som også kan rekruttere dem som kommer inn på arbeidsmarkedet fra andre land, og få dem inn i det seriøse arbeidsmarkedet. La meg gi en særlig ros til noe jeg selv har vært og sett både på arbeidsplasser og i møter for øvrig: det initiativet som BNL og Fellesforbundet har tatt sammen for et seriøst arbeidsmarked. Det er trepartssamarbeid på det beste. Nå er det opp til myndighetene å levere. Jeg hørte statsråd Sanner si at han ville følge opp de ulike punktene. Det er bra, og det vil vi følge nøye. Jeg hørte også statsråd Hauglie snakke om betydningen av at oppdragsgiver har plikter. Saken er at pliktene må lede til handling, og pliktene må være slik at de forstås på en måte som gir handling. Og som representanten Lundteigen sa, om det er slik at dette regelverket er så komplekst og så åpent for tilpasninger for de useriøse, da er det noe som er feil. Da må det forenkles og gjøres skikkelig. Regjeringen bruker etter vår mening også for lang tid på å få på plass helheten i ordningen med en ny sentral godkjenning. Den har jo den styrken at den kommer fra aktørene selv og har den legitimiteten. Skal vi komme noen vei mot sosial dumping, må vi altså gjøre det vanskeligere å være useriøs og enklere å være seriøs. Det er et fint slagord, men det må følges opp med handling, bl.a. langs de linjer som ligger i den foreslåtte modul 2, og det må gjøres på en slik måte at det faktisk virker. Der tror jeg regjeringen skal vente at Stortinget er utålmodig, for her står mye på spill. En samlet bygg- og anleggsnæring står bak forslaget til en ny sentral godkjenning. Både arbeidsgivere og arbeidstakere står sammen om kravene om at det må bli enklere å være Det er bra at statsråden sier han vil vurdere dette skikkelig før han går til handling, men nå synes jeg det begynner å nærme seg overtid. Til sist: Arbeiderpartiet har tatt initiativet til en fjerde handlingsplan mot sosial dumping. Vi prioriterte dette høyt da vi satt i regjering. I budsjettet for i år har vi foreslått å styrke Arbeidstilsynet, bygge ut ordningen med regionale verneombud og opprette flere sentre mot arbeidslivskriminalitet. Flere aktører må jobbe sammen for at vi skal lykkes i kampen mot useriøsitet og arbeidslivskriminalitet. Regjeringen har foreslått tiltak som er bra. Vi støtter dem, men det trengs altså mer. Vi må fremme, ikke svekke det organiserte arbeidslivet, særlig i en tid med 135 000 ledige, mange av dem i denne næringen. Da er det ekstra viktig at vi passer på at det ikke er de useriøse som vinner fram, i en tøff konkurranse om anbudene. For Arbeiderpartiet er dette en bunnplanke. Vi skal ha et organisert og seriøst arbeidsliv, og vi skal gjøre alt vi kan for å sikre det. Jeg vil takke kommunal- og forvaltningskomiteen for denne initiativdebatten. Det er viktig at vi på tvers av både komiteer og partier jobber for å fremme et anstendig arbeidsliv og å bekjempe sosial dumping. I bygg- og anleggsbransjen har det dessverre vært flere eksempler på at lover og regler ikke er med det resultatet at man har sett både svart arbeid og underbetalte arbeidere. Noen ganger er det også vanskelig å vite hvem som er ansvarlig når noe går galt, fordi næringen ofte opererer med flere underleverandører og dertil uryddige ansvarslinjer. Min lokalavis, Budstikka, har over tid laget flere reportasjer om en ung mann som fikk livet sitt ødelagt da han jobbet med rivearbeid på et boligprosjekt. Ramunas fra Litauen ble ufør etter å ha vært involvert i en arbeidsulykke i en heissjakt. Lønnen hans var 19 kr i timen. Det viste seg at Ramunas’ arbeidsgiver opererte med to kontrakter. Ifølge den norske kontrakten hadde litaueren 163 kr i timen, men den virkelige timebetalingen var bare en brøkdel av dette. Da ulykken inntraff, kom det frem at han heller ikke var forsikret. Erstatningssaken har gått frem og tilbake, og hvem som har ansvaret, har vært vanskelig å finne ut av. Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping er alvorlig og må bekjempes fordi dette utnytter arbeidstakere som Ramunas, og fordi dette truer velferdsstaten. Regjeringen tar dette på største alvor og har i samarbeid med partene i arbeidslivet utarbeidet en strategi mot arbeidslivskriminalitet, som har fått veldig mange positive tilbakemeldinger. Samarbeidet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet er viktig for å sikre seriøse arbeidsforhold og et anstendig arbeidsliv. Det er heldigvis tverrpolitisk enighet i denne salen om at vi vil de useriøse bedriftene til livs. Useriøse aktører utfordrer og ødelegger for den seriøse og mer lovlige delen av arbeidslivet. Dette truer den norske modellen, både ved bortfall av skatteinntekter og ved at det rokker ved en så grunnleggende verdi i arbeidslivet som det tillit er. har selv tatt tak i at det må bli enklere å være seriøs i byggenæringen, og kommet med en rekke forslag som vi har fått høre at regjeringen vurderer og utreder. Det som også er viktig å si, er at det er viktig ikke å utsette seriøse aktører for nye krav og plikter gjennom økt lovgivning hvis ikke det treffer der hvor det er behov for oppstramming. Tiltakene må være målrettede, slik at de Treparts bransjeprogrammer har vært viktig i arbeidet mot useriøsitet. I 2012 startet et treparts bransjeprogram i renholdsbransjen, og fra 2014 har det også vært bransjeprogrammer i utelivsbransjen og i transportbransjen. Regjeringen jobber målrettet for å få bukt med arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Det er nødvendig med en bred mobilisering i hele arbeidslivet, og et viktig tiltak er å styrke samarbeidet mellom de offentlige kontrolletatene. Det er fulgt opp med felles tiltak og et tettere samarbeid mellom politiet, skatteetaten og Arbeidstilsynet. Denne regjeringen har bevilget midler til bedre koordinering og samlokaliserte enheter for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. I 2015 ble det etablert enheter i byene Bergen, Stavanger og Oslo. I forrige uke ble et nytt senter åpnet i Trondheim. På disse sentrene jobber medarbeidere fra Arbeidstilsynet, Nav, politiet og skatteetaten sammen om å gjennomføre tilsyn, felles veiledning og kontroll av utvalgte bransjer. Tilbakemeldingen er at dette er tiltak som virker. Skal vi lykkes, må arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet være tverrfaglig, tverrpolitisk og tverretatlig. Helt avslutningsvis har jeg lyst til å si at debatten om et seriøst og anstendig arbeidsliv ikke trenger å være så polarisert som jeg ofte synes opposisjonen legger opp til. Det er ikke konstruktivt at man i debatter og offentlige ordskifter blir tillagt meninger og holdninger som man slettes ikke kjenner seg igjen i. Vi trenger jo ikke være enige om alle detaljerte tiltak, men vi må samarbeide. Det er tverrpolitisk enighet om å rydde useriøse aktører av banen og komme sosial dumping og arbeidslivskriminalitet til livs. Derfor bør vi tilstrebe å la den gode konsensustradisjonen vi har erfaringer med, være rådende i kampen for et Kampen mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet må føres igjen og igjen, med stadig nye virkemidler, og skal vi lykkes i dette arbeidet, er vi avhengige av at myndigheter, partene i arbeidslivet og bedrifter står sammen.
Først vil jeg takke kommunal- og forvaltningskomiteen for å sette dette viktige temaet på dagsordenen. Temaet er høyaktuelt, og det er viktig for mange bedrifter og for mange ansatte. At det er et aktuelt tema, så vi senest i forrige uke da Stortinget behandlet en sak fra arbeids- og sosialkomiteen om anstendig arbeidsliv, som også viser at dette er et tema som berører flere stortingskomiteer. Vi så i debatten i forrige uke og også i debatten i dag at det er et stort engasjement fra alle de politiske partiene. På tvers av partigrenser og politiske skillelinjer er man enige om problemstillingen, men man kan selvfølgelig være uenige om flere av virkemidlene og hvilke av virkemidlene som virker best. Da er jeg glad for at regjeringen allerede har innført mange virkemidler. Man har styrket bl.a. Arbeidstilsynet og har vært med på å bidra til å bedre situasjonen noe. Det er tydelig at arbeidsledigheten i deler av Europa har gitt Norge muligheter, men også utfordringer. De fleste av dem som har kommet hit, har bidratt positivt. De bidrar med sin kompetanse og arbeidskraft i næringer og i virksomheter som har behov for dem. Det er en vinn-vinn-situasjon. Men samtidig medfører det også visse utfordringer, som vi ser nå. Vi ser at arbeidsledigheten i Norge øker i noen regioner og i noen næringer. Dette påvirker i stor og økende grad også byggenæringen, for når det blir oppdragstørke i noen deler av landet samtidig som vi har vekst i andre deler av landet, merkes dette kraftig. Leverandører må omstille seg, oppdragsgivere må forholde seg til andre priser og leveringstider, og arbeidstakere må vurdere å flytte på seg. I en økonomi i omstilling vil noen arbeidsgivere fristes til å tøye lover og reguleringer og i noen tilfeller, dessverre, aktivt søke å omgå dem. I byggenæringen er det en rekke virkemidler som kan brukes for å sikre seriøsitet, sikre like konkurransevilkår og ikke minst sikre de ansatte. Det viktigste er lokal erklæring av ansvarsrett, sentral godkjenning og kompetansekrav. Dette er også områder der regjeringen har levert godt. Det er viktig at sentrale og lokale myndigheter klarer å bruke disse virkemidlene på en slik måte at vi faktisk oppnår det vi ønsker. Et annet viktig verktøy mot arbeidslivskriminalitet er den koordinerte innsatsen fra Arbeidstilsynet, Nav, UDI og politiet. De motvirker useriøsitet, sosial dumping og kriminalitet i arbeidslivet gjennom et virkemiddelapparat som gir best mulig effekt. Men vi har også hatt forslag som ville kunne bidra, som dessverre har blitt nedstemt i denne sal. Det er jo ingen hemmelighet at Fremskrittspartiet ønsker en utredning av en nasjonal minstelønn, noe fagforeninger i andre land er veldig sterke tilhengere av. Fremskrittspartiet er av den troen at det ville gjort kontrollen enklere, og det ville redusert utfordringen med sosial dumping, men dessverre ønsket et flertall i denne sal ikke å gå inn og i det minste få utredet dette virkemiddelet som vi mener kunne hatt stor effekt. Vi er alle enige om at vi skal ha et vi er alle enige om at ulovligheter og useriøse aktører må bekjempes, og vi er alle enige om at det kreves en bred og koordinert innsats for å nå målene. Derfor er jeg glad for at regjeringsplattformen fremhever arbeidet mot sosial dumping som en prioritet i arbeidslivspolitikken. Da synes jeg også det er synd med noe av den polariserende debatten som også foregående taler var inne på, for vi deler problemstillingen, men noen av virkemidlene er vi uenig i. Heldigvis har vi en regjering som har levert godt på dette, og jeg ser frem til også videre leveranser i tiden fremover.
Jeg har også lyst til å takke for initiativet til denne debatten – en veldig viktig debatt, som det er meningsfullt å ta på tvers av komiteene og gi det fulle og hele bildet. Jeg synes ikke vi har fått gode nok svar på hvorfor det tar så lang tid å etablere en sentral godkjenning. Jeg synes det er merkelig at regjeringen faktisk ikke vil gjøre det lettere å være seriøs raskere enn det man legger opp til her. For hva er situasjonen? Jo, den er at tallenes tale er tydelig. Erfaringene med sosial dumping, useriøsitet og arbeidslivskriminalitet er for mange, og faglighet kan stå for fall. Det er en alvorlig situasjon, og da synes jeg det er alvorlig at ikke regjeringen viser vilje til å ta større grep i tide. Forrige uke stemte stortingsflertallet ned et forslag som SV hadde fremmet om bl.a. å innføre den såkalte Telemarks-modellen for offentlige innkjøp og også om å stoppe useriøse aktører og hindre misbruk av innleie ved å styrke fagforeningenes påvirkning. Som sagt ble forslaget stemt ned til tross for at flere – ja, faktisk alle partier – poengterte at forslaget tok opp et viktig tema, at useriøsitet og sosial ser vi at det er forskjell på å se et problem og å ville gjøre Representanten Njåstad minnet om at useriøsitet ikke er noe nytt fenomen, at det ikke er noe som har kommet de par siste årene, og det er vi hjertens enig i. Det vet vi veldig, veldig godt. Det var også derfor den rød-grønne regjeringen fremmet tre tiltakspakker mot sosial dumping, og det er derfor vi holder trykket oppe på saken. Men det handler om å være i forkant, og det handler om å handle – i dobbel forstand. Det var også grunnen til at SV fremmet forslaget om Telemarks-modellen – for å fremme seriøsitet og for å hindre at offentlige midler går til å undergrave et godt og ryddig arbeidsliv. Telemarks-modellen har sitt utspring i Skien, der kommunen oppdaget grove brudd på lønns- og arbeidsforhold på sine egne byggeplasser. Derfor stilte kommunen krav om hvordan arbeidet skulle utføres, at alt arbeid skal utføres av fast ansatte hos entreprenørene, at ingen entreprenørkjede er lengre enn to ledd, at over halvparten av de involverte i prosjektene skal ha fagbrev, og at bedriftene må ha lærlinger. Disse kravene er utarbeidet av kommunen, Fellesforbundet og NHO i fellesskap, og de virker. går ett skritt videre og krever bl.a. at innleide skal være fast ansatt med lønn mellom oppdrag i utleiebedriftene. Flere kommuner og flere fylkeskommuner har innført modellen, og selv om det de aller fleste stedene er tverrpolitisk enighet om nettopp det, valgte altså regjeringspartiene og Venstre å hindre den typen krav til offentlige innkjøp. Det jeg er useriøst, all den tid det faktisk er et uttalt mål å bekjempe useriøsitet. Bransjen står samlet om å stille krav, både arbeidsgiver og arbeidstaker, både Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundet ser behovet for at det tas tydeligere grep enn det gjøres i dag. Det er et veldig godt utgangspunkt for å få noe gjort, for å sikre den handlingen som trengs, på en treffsikker måte, for å sikre at tallene og lønnsutviklingen i bransjen kan peke i en annen retning, og at det trekkes lærdom av erfaringene med sosial dumping, ved at det stilles klarere krav. Skal konkurranse kun skje på pris, ja, så vil spiralen fortsette å gå nedover. Vi må sikre at stolte fagtradisjoner fortsatt har en framtid, og at ungdom som søker mot bygg og anlegg, har en læreplass i vente. Da må vi være tydelige på at det ikke er nok kun å stille krav til og la dem definere veien videre. Det må være et ufravikelig krav om lærlinger, og vi må ta sentrale grep. Det opplever jeg er det viktigste som etterlyses her. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.
Jeg vil føye meg inn i rekken av dem som takker for initiativet til initiativdebatt. Det er nettopp denne typen seriøse, store, brede saker som den debattformen passer godt til. Jeg synes det vi har hørt her i dag, vitner om en veldig konstruktiv opposisjon, og jeg er glad for at det har vært enighet i komiteen om å bidra til at denne debatten blir reist. Som noen har vært inne på tidligere: Det er ikke noe nytt at det foregår sosial dumping i det norske samfunnet. Det var også situasjonen da den forrige regjeringa var ansvarlig. Det var da også grunnen til at den forrige regjeringa la fram en rekke planer. Som representanten Støre sa: tre planer med tiltak mot sosial dumping. Men så er det noe politisk forskjell her. For det jeg erfarte, og som andre erfarte som hadde ansvaret for dette saksområdet i den perioden, var at mange av de forslagene til tiltak som regjeringa tok initiativ til i samarbeid med partene, de stemte Høyre og Fremskrittspartiet i Stortinget imot. Det gjaldt solidaransvar, som i dag hylles som et godt virkemiddel, det gjaldt innsynsrett, det gjaldt mange av Så for vår del var kampen mot sosial dumping også en kamp mot Høyre og Fremskrittspartiet i Stortinget. Men så er det bra at regjeringa senere ikke har gått bort fra alle de virkemidlene som de har stemt imot. Og jeg er jo glad for at det ble satt i gang – jeg tror det var i 2011 tiltak og kontroll fra de forskjellige statlige etatene. Det er jeg glad for at regjeringa følger opp og bygger ut videre. Men vår erfaring er altså at regjeringspartiene må drives fra skanse til skanse. Ganske tidlig i denne perioden la vi fram 22 tiltak mot sosial dumping. De ble utviklet i nært samarbeid med NHO og LO, Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundet. Regjeringspartiene stemte imot. Vi har kommet med forslag i budsjetter, i reviderte budsjetter, og sist uke også på initiativ fra SV i en diskusjon om 12 forslag vi sto sammen om. Fellesnevneren har vært at regjeringa stritter imot. Men så ser vi nå at det delvis kommer krav om lærlingplasser, f.eks. blant dem som har anbud. Så det viser seg at regjeringa på noen områder kommer etter. Det håper jeg også de gjør når det gjelder kravet fra Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundet, og en relativt samlet debatt i stortingssalen, om at de tiltakene som det bes om – også innenfor ROT-markedet – nå følges opp på en effektiv måte framover, sånn at det kan bli som de ber om: enklere å være seriøs. Så det er en viktig debatt. All erfaring viser at regjeringa må presses, at vi – opposisjonen – gjør det sammen med partene i arbeidslivet. Så får vi håpe at vi kommer i en situasjon der statsråden også senere kan si at det er tatt initiativ til noe Stortinget Bolig er et nødvendig velferdsgode på linje med arbeid, helse og utdanning. En trygg og stabil boligsituasjon er en nødvendig ramme rundt alle menneskers liv. Norsk boligpolitikk har vært vellykket for det brede lag av befolkningen. Senterpartiet mener den norske tradisjonen der flest mulig eier sin egen bolig, har Derfor vil Senterpartiet verne om å utvikle selveierlinjen i norsk boligpolitikk. Seriøsitet i byggenæringen er en forutsetning for tilliten til boligpolitikken. Her henger politikk og markedskrefter tettere sammen enn på mange andre velferdsområder. Andre har vist til byggebransjens egne initiativ til en seriøs byggenæring gjennom rapporten Enkelt å være seriøs, som arbeidstaker- og arbeidsgiversiden sto sammen om. Selv om en del av de foreslåtte tiltakene er fulgt opp av regjeringen, vet jeg at bransjen mener det fortsatt er behov for innsats for å bygge en bransje som arbeider hvitt og ikke svart, som tenker helse, miljø og sikkerhet, ikke bare på raskest mulig profitt. Fra Senterpartiets side har vi ment at ROT-fradrag, eller skattefradrag for rehabilitering og oppussing, kan være veien å gå. Det kan bidra til investeringer i energisparende bygg, samtidig som vi har erfaring fra Sverige, der vi vet at det er et effektivt tiltak mot svart arbeid. Det er også andre forutsetninger i boligmarkedet som må møtes med politiske tiltak. Mange vanskeligstilte i boligmarkedet må ha bistand for å få seg egen bolig. I enkelte byområder er det et sterkt prispress, som gir unge utfordringer med å Når produksjonen er mindre enn etterspørselen, blir bransjen interessant for useriøse aktører, som verken prioriterer ordnede arbeidsforhold, sikkerhet eller kvalitet. Produktivitetsnedgang i bransjen skyldes slurv og mye dobbeltarbeid, stor andel ufaglærte, manglende kunnskap om helse, miljø og sikkerhet, om plan- og bygningsloven, manglende språkkunnskap Det er kostbart for bransjen, det er kostbart for forbrukeren og det er kostbart for samfunnet. Disse utfordringene øker med kommunestørrelse. Det er først og fremst et storbyproblem. Arbeids- og sosialministeren viste til Trondheim kommune, der det har vært et problem i steinleggerbransjen. I små kommuner er forholdene gjennomsiktige og lokalkunnskapen større, de har bedre oversikt og det er lettere å avdekke useriøse firmaer. Det er grunn til å frykte at kommunereformen vil føre til at lokalkunnskapen blir mindre. Næringen som vi diskuterer i dag, er i en kritisk situasjon. Det blir ikke mindre kriminalitet i bransjen, det blir mer kriminalitet i bransjen. Jeg må minne representanten Njåstad fra Fremskrittspartiet og andre om at det er en samlet bygg- og anleggsnæring som står bak forslaget til ny sentral godkjenning. Både arbeidsgivere og arbeidstakere står sammen om kravet om at det må bli enklere å være Nå må regjeringen levere på det. Det er faktisk, enten man liker det eller ei, på Fremskrittspartiet og Høyres vakt at disse problemene og utfordringene øker. I en tid da man har rekordhøy arbeidsledighet, noe som i seg selv er en tragedie, er også faren til stede for at de useriøse aktørene ansetter folk uten skikkelige lønns- og arbeidsforhold. Det er også med på ytterligere å undergrave de som driver seriøst, og ikke minst utnytter de mennesker som desperat ønsker seg en jobb. Vi i Arbeiderpartiet mener det er viktig med kontroll og tilsyn, men det er ikke nok. I Rogaland fylkeskommune, der Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Senterpartiet nå styrer, er det nylig vedtatt å forsterke Difi-modellen for anbud, som bl.a. begrenser underleveranser til ett Det skal øke andelen lærlinger på anbudet og andelen faglærte. Dette gjør de fordi de mener Difi-modellen er for svak på disse områdene. Alle leverandører skal prekvalifiseres ut fra dette før pris og leveringskvalitet vurderes. Dette har de gjort fordi de selv har avslørt sosial dumping hos seg Vi står nå antakeligvis overfor en stor avsløring av sosial dumping i forbindelse med et stort anbud på Ryfast i Rogaland. Dette viser noe om alvoret i situasjonen. NHO samlet for ikke lenge siden alle sine håndverksbedrifter. De forteller meg at av rundt 8 mrd. kr i årlige forsikringsoppgjør betaler forsikringsselskapene ut 4 mrd. kr i Disse utbetales uten moms. De må altså søke om å få igjen momsen, og i fjor var det kun 148 som søkte om å få igjen momsen. Er dette en praksis vi kan leve med? Er ikke dette indirekte med på å stimulere til svart arbeid? Vi er nødt til å fortsette å styrke lærlingordningen. Det er et enkelt tiltak som gir mange seriøse bedrifter bedre tilgang på flinke håndverkere og en trygg utdannelsesvei for ungene våre. Ja, det er kanskje tverrpolitisk enighet om beskrivelsen av hvordan situasjonen er, men det er uenighet om tiltakene, og det er uenighet om farten. Vi har ikke tid til å vente lenger. Nå må regjeringen handle og få ordnet opp i dette. Jeg vil også få lov til å benytte anledningen til å takke representanten Håheim og komiteen for å sette dette på dagsordenen. Det er et viktig område. Her i dag diskuterer vi temaet litt ut fra det som er knyttet særlig til denne rapporten fra BNL, Enkelt å være seriøs, men jeg vil også fremheve at her er det tiltak hvor man også innen andre deler av regjeringens ansvarsområder har mulighet til å påvirke. I finanskomiteen har vi jobbet med eierskapsregister, og også her opplever vi at regjeringen bruker lang tid på noe som burde kunne ta kortere tid, og som ville hatt effekt også Det har vært en lang kamp fra mange hold for å få åpenhet i aksjonærregistre. Heller ikke der er regjeringen en pådriver for åpenhet, og regjeringen har også valgt å gjøre skattelistene mer lukket enn de var tidligere. Det er klart at kombinasjonen av disse tre tingene som jeg nevner her, med høy grad av åpenhet også ville gjort gjennomsiktigheten i den bransjen som vi særlig snakker om i dag, lettere tilgjengelig og bedre. Jeg hadde et spørsmål til Sanner her bak i salen, for jeg fikk inntrykk av etter hans innlegg og Mudassar Kapurs innlegg at forsikring var en del av den sentrale godkjenningen i dag for proffmarkedet. Statsråden har oppklart dette overfor meg, og det viser seg at det er en frivillig ordning, det er frivillig om man vil gjøre forsikringsopplysninger tilgjengelig. BNL har skrevet et brev til oss hvor de trekker fram dette, blant flere andre ting, som de mener er et problem ikke å stille som krav i ordningen. Så jeg vil oppfordre statsråden: Når det er mulig å legge dette inn frivillig i dag, og det finnes en ordning som er frivillig, la oss gjøre det kravet til en del av det du må levere inn, om du faktisk skal være med i ordningen. Det tror jeg ville vært en fordel. Statsråd Sanner nevnte at det var behov for faglige vurderinger, og jeg antar at han da kanskje mente departementets egne vurderinger, for jeg vil si at den rapporten som er lagt fram

Jeg tok en prat med Fellesforbundet i Østfold nå før debatten, og de har mye å fortelle om hva de opplever på ulike bygge- og anleggsplasser f.eks. i Østfold. Det er lønninger på østeuropeisk nivå, de avdekker at anleggsarbeidere har en lønn på 9 kr i timen, useriøsitet og sosial dumping, som er utbredt. Ved et større byggeprosjekt i Østfold nå nylig mener Fellesforbundet også å ha avdekket såkalte «pay back»-ordninger, altså ordninger som gjør at arbeidstakeren må betale tilbake store deler av timelønna for at han skal få lov til å være der og jobbe. Man kom over byggeplasser hvor polske bygningsarbeidere hadde arbeidsdager på opptil 16 timer, de fikk selvfølgelig ikke noe overtidsbetaling, og de hadde i utgangspunktet en timelønn som vi må mange tiår tilbake for å finne igjen her i Norge. Så forteller Fellesforbundet også at de får telefoner hvor meldingene er entydige og sammenfattes ganske kort med: «Boss gone, no money». Det var altså ikke bare bossen som hadde forsvunnet, men hele firmaet var vekk. Det er rene mafiametoder, og dette må det ryddes opp i. Enkeltpersonforetakene har også økt sterkt blant utenlandske arbeidstakere siden vi fikk allmenngjøring av tariffavtalen i byggenæringen. Så kan man spørre: Hvorfor ble det slik? Jo, selvfølgelig for å Fellesforbundet at allmenngjøringsverktøyet er et godt verktøy, et viktig verktøy, noe av det beste man har, men det oppleves vanskelig og komplisert å få til. Det er et omfattende regelverk som skal møtes før allmenngjøring kan finne sted, og man håper at man kan finne enklere løsninger, slik at man kan det verktøyet enda bedre. Det må gjøres mer, mye mer, for å sørge for at vi får et seriøst arbeidsliv, og regjeringen kunne starte med å ta i bruk og gjennomføre de tiltakene som er i rapporten Enkelt å være seriøs, og som har vært omtalt rikelig her i dag. Jeg håper regjeringen trapper opp tempoet og tar denne debatten på alvor, verktøyet ligger der, og nå bør regjeringen sørge for at det blir brukt. Det haster med å få innført helhetlige regler, og jeg håper at man nå ser handlekraften strømme ut av regjeringskontorene. Jeg hører i replikkordskiftet at nå skal noe skje i de nærmeste dagene, og det får vi tro, for tiden går, og mens vi venter, blir ikke situasjonen særlig bedre for dem som skal drive seriøs forretning i Om ti år kan Norge mangle 90 000 fagarbeidere. Det tallet bør være en vekker, både i utdanningspolitikken og – like mye – i arbeids- og sosialpolitikken. Skal vi få unge til å velge yrkesfag, er det like avgjørende å sikre et anstendig og seriøst arbeidsliv som det er å ha politikk for tidlig innsats eller bedre fagutdanninger. en undersøkelse blant unge under 30 år sier ni av ti at de ser på bygg- og anleggsyrket som et viktig og samfunnsnyttig yrke. Det er veldig positivt. Men 73 pst. mener at bygg- og anleggsfagene har lav status. Når det gjelder elektrofag, svarer 65 pst. det samme, og 64 pst. mener helsefag har lav status. Til sammenligning svarer 80 pst. at har høy status. Sånn bør det ikke være, og vi må ta tak i årsakene til at disse oppfatningene er så pass vanlige. Grunnen er ifølge undersøkelsen unges bekymring for hva slags type arbeidsmarked som møter dem etter utdanninga, bekymring for svart arbeid, for useriøse aktører og mye billig utenlandsk arbeidskraft i form av mer innleie. Når man er 14–15 år og skal ta et valg om hva man skal bli – et valg for resten av livet – frister det lite å gå inn i bransjer der man forventer å møte uryddighet og press på rettigheter og på lønn. Da velger man heller noe annet. Heldigvis har vi i Norge parter i arbeidslivet som tar ansvar. En samlet bygg- og anleggsnæring, både arbeidsgivere og arbeidstakere, har kommet med forslag som gjør det enklere å være seriøs og vanskeligere å være en useriøs aktør. Dette må regjeringa levere på. Vi kan ikke akseptere at enkeltbedrifter opererer som gratispassasjerer i den norske modellen, lar andre ta ansvar for å sikre standardene i arbeidslivet, eller overlater til andre å sikre kompetansen i næringa ved å la andre ta inn lærlinger. Hvis vi skal få flere fagarbeidere, må politikken henge sammen. Arbeiderpartiet vil satse på fagarbeidere, på yrkesfag, gi skolene oppdatert utstyr på fagutdanninga, øke støtten til lærebedrifter og gi yrkesfaglærerne et kompetanseløft, men vi mener også at elevene fortjener å møte et anstendig og trygt arbeidsliv når de er ferdig utdannet. Et løft for yrkesfagene er egentlig helt verdiløst dersom man ikke samtidig tar tak i situasjonen i enkelte bransjer i arbeidslivet. Arbeidet i skolen og arbeidet i arbeidslivet må gå hånd i hånd. Derfor er det all mulig grunn til å berømme aktørene i byggenæringa som har kommet med disse forslagene, og vi har også all mulig grunn til å gi dem støtte i å få gjennomført den pakken med tiltak de har foreslått – hele pakken, alle tiltakene, ikke bare ett og ett, stykkevis og delt. Jeg merket meg representanten